Nemnda skal være ombud for Forsvarets personell, men den er like viktig for de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste. En rask gjennomgang av sakene viser at det kanskje særlig er gutter og jenter som er i førstegangstjeneste, og for så vidt også vervede soldater eller grenaderer, som har gjennomført førstegangstjeneste, som benytter Ombudsmannsnemnda, men også befal og sivilt ansatte benytter seg av nemnda. I 2010 har Ombudsmannen behandlet 107 registrerte saker. I tillegg kommer det en rekke henvendelser der det er gitt råd og veiledning. Både Forsvarets ledelse og de ansattes organisasjoner er enige om at det er nødvendig med endringer i arbeidssituasjonen. Tjenestemannsorganisasjonene mener det fortsatt er slik at de problemer som eksisterer, skyldes en ubalanse mellom oppdrag og ressurser. Ombudsmannsnemnda har i flere år hatt merknader om at den langvarige omstillingsfasen oppleves som ekstra belastende for personellet – og det har vi forståelse for. Omstillingen fører også til at mange må flytte, og jeg tror også vi skal ha respekt for at det kan være slik. Likevel mener nemnda at arbeidsmiljøet i Forsvaret stort sett er bra. Så et par saker som gjelder soldatene i førstegangstjeneste. Det er spørsmål knyttet til sikkerhetsklarering for vernepliktige som ser ut til å ta veldig lang tid. Her ber komiteen Forsvarsdepartementet se særskilt på denne problemstillingen både med tanke på å unngå forsinkelser og fordi den nødvendige sikkerheten naturligvis må ivaretas. Den balansen som ligger der, Den balansen som ligger der, ber vi om at man ser særskilt på. Det andre er retningslinjer for gjennomføring av lik tjenestetid, som sist ble revidert i 2002 og iverksatt i mars 2003. De landstillitsvalgte i Vernepliktrådet har tatt opp med nemnda at flere vernepliktige blir pålagt tjeneste langt utover det som står beskrevet i retningslinjene. Komiteen er enig med nemnda i at retningslinjene må gjennomgås, og at det må tydeliggjøres hvilke retningslinjer som gjelder. Så er det fortsatt altfor få kvinner i det norske forsvaret. Jeg tror ikke det har vært noen særlig økning det siste tiåret. Jeg mener at det fortsatt er noe over 7 pst., og det var det virkelig også i Men det er en liten økning både av jenter som tar førstegangstjeneste, og av vervet personell i tjeneste utenlands, såkalte grenaderer, som på forhånd har gått gjennom førstegangstjenesten. Ombudsmannen konkluderer med at det kvinnelige personellet finner seg vel til rette i det militære miljøet, selv om det også her nok er et stykke igjen. Så er det et område som nemnda nevner, der det er behov for å komme med noen tiltak. Forsvaret har problemer med å skaffe lærlinger, og det samtidig som mange unge på yrkesfaglige linjer ikke får lærlingplass. Denne mismatchen må det da gå an å gjøre noe med. med. Jeg har fått innspill fra flere kanter, som: Hvorfor ikke integrere verneplikten i lærlingtiden for elever på yrkesfaglige linjer? Dermed er også den tanken sendt videre. Saken er også viktig fordi lærlingordningen selvfølgelig utgjør en basis for rekruttering av fagkompetanse som Forsvaret har behov for. Så til slutt: Komiteen uttrykker i innstillingen tilfredshet med det arbeidet som er satt i gang for å bedre livssituasjonen for veteraner som sliter med senskader etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Helt siden Tysklandsbrigaden etter den annen verdenskrig har Norge hatt personell i internasjonale militære operasjoner – 120 000 totalt fordelt på 40 operasjoner. Dette er menn og kvinner som har bidratt til å skape økt stabilitet i konfliktområder. Deltakelse i slike operasjoner bidrar også til å bedre den globale sikkerhetssituasjonen, ikke minst etter at vi har fått asymmetrisk krigføring. Noen av våre soldater har gitt det kjæreste de har, sitt eget liv, i aktiv militær tjeneste ute. Jeg etter innstilling fra presidentskapet og etter forslag fra representanten Hagesæter, har vedtatt å anerkjenne og hedre de norske menn og kvinner som med livet som innsats har bidratt til internasjonal fred og sikkerhet. Det blir nå satt opp en minneplate i stortingsbygningen for å hedre våre falne i internasjonale operasjoner. Med dette anbefaler jeg komiteens enstemmige innstilling.

Dette er altså en slags halvårlig seanse, og ofte har dette gått veldig raskt unna fordi det har vært få merknader. Denne gangen har det – om man kan bruke det begrepet – vært litt mer spennende, selv om det på langt nær har vært så spennende som debatten om landbruk tidligere i dag. Denne perioden har det vært to dissenser i regjeringen – og perioden er altså siste halvår 2010. Begge dissensene dreide seg om datalagringsdirektivet. Komiteen har også gått gjennom forskriftene som er oversendt, og plukket ut to forskrifter til særskilt gjennomgang. Det gjelder forskrift 9. juli 2010 nr. 1087 om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt, og forskrift 17. desember 2010 om samordnet behandling mot lakselus vinteren og våren 2011. Ingen av disse forskriftene har komiteen funnet å komme med merknader til, men de har vært en del av den forskriftsgjennomgangen som komiteen nå har lagt seg til som vane å gjennomføre. Vi har også ved to anledninger Den ene rettingen har skjedd på grunn av en skrivefeil, og den andre rettingen skjedde i forhold til en paragrafhenvisning. Komiteen har i brev til statsministeren tatt opp dette forholdet. Statsministeren har svart komiteen hvilken praksis som foreligger. Komiteen har uttalt at det er den kgl. resolusjonen som uttrykker statsrådets egentlige vilje, vilje, og er enig med statsministeren i at en må utvise særlig stor grad av varsomhet dersom en foretar rettinger i vedtatte kgl. resolusjoner uten ny behandling i statsråd. Det er jo ny behandling i statsråd som er den helt klare hovedregel, også ved relativt små endringer. I tillegg har komiteen fått informasjoner knyttet til utnevning av ambassadører i særlige oppdrag. Hovedregelen når det gjelder utnevning av ambassadører, også ambassadører i særlige oppdrag, er at de skal utnevnes i statsråd. Utenriksinstruksen kapittel 2 § 16 første ledd er helt klar på at hovedregelen er det. Men i enkelte, spesielle og meget kortvarige oppdrag av seremoniell karakter kan Utenriksdepartementet oppnevne slike ambassadører i særskilte oppdrag. Men i enkelte, spesielle og meget kortvarige oppdrag av seremoniell karakter kan Utenriksdepartementet oppnevne slike ambassadører i særskilte oppdrag. Det er en vanlig forutsetning at bruken av den tittelen begrenses til tidsrommet for oppdragets varighet, og dette bør angis i det enkelte tilfellet. Komiteen tok opp denne problemstillingen med utenriksministeren, og utenriksministeren har da redegjort for komiteen om hvordan status for disse utnevnelsene er. I annet halvår 2010 var seks ambassadører uten behandling i statsråd. Samtlige titler er tildelt ut fra en bestemt dato, men uten sluttdato. I tillegg til dem som ble utnevnt siste halvår 2010, er det tolv personer som var tildelt tittelen som ambassadør i særlig oppdrag, én av dem helt tilbake fra 2004. Åtte av disse tolv var fra en bestemt dato, men uten sluttdato. Av dem som var tildelt titler med bestemt sluttdato, var utnevningen for samtlige mer enn 16 måneder. Komiteen har kritisert denne praksisen og funnet grunn til å presisere at utenriksinstruksens hovedregel, kapittel 2 § 16, er at utnevning av ambassadører også i særlige oppdrag skal skje i statsråd. Komiteen har bedt utenriksministeren om å gjennomføre endringer som bringer disse prosessene innenfor rammen av utenriksinstruksen. Det er et viktig signal som utenriksministeren bør ta med seg. I tillegg – og helt til slutt – har vi også denne gangen funnet grunn til å peke på behovet for at komiteen får tilgang til de utvidede søkerlistene. Vi har påpekt det flere ganger tidligere, men fortsatt er det noen departementer som ikke følger opp den oppfordringen. Jeg ber statsråden som er til stede i salen, om å ta det med tilbake til sine kollegaer og sørge for at en for fremtiden får

Som Stortinget er vel kjent med, lyder Grunnloven § 109: «Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue.» Det betyr altså at vi har en verneplikt, og førstegangstjenesten er én av flere tenkelige måter å gjennomføre den verneplikten på. Det er i om verneplikten, og det er også bred enighet om at førstegangstjenesten kanskje er det viktigste virkemidlet for å gjennomføre den. For få år siden var det sånn at tilnærmet hele det mannlige årskullet, altså ca. 30 000, gjennomførte tjenesten, enten det var bruk for dem eller ikke. I dag er det ca. 10 000 som kalles inn, og 7 000–8 000 som gjennomfører. det mannlige årskullet, altså ca. 30 000, gjennomførte tjenesten, enten det var bruk for dem eller ikke. I dag er det ca. 10 000 som kalles inn, og 7 000–8 000 som gjennomfører. Det er også en ny ordning med kvinner/jenter på sesjon, og det er spennende å se hva resultatet av det på sikt blir. Det er som sagt bred enighet om verneplikten og førstegangstjenesten. Men for at

som sagt nettopp vært gjennomført en soldataksjon. Jeg hadde gleden av å være til stede på to av arrangementene. Og det som er slående, er at man møter unge mennesker som har et veldig reflektert og gjennomtenkt forhold til det å faktisk avtjene sin verneplikt. De er motiverte, de er engasjerte, og de trives godt. Og det er noe som er positivt. Det har vært mange diskusjoner om hva som kan gjøres for å heve statusen på førstegangstjenesten. Det er en diskusjon som passer i en annen sammenheng enn akkurat denne, men la meg likevel bare nevne det, siden Høyre i merknadene i innstillingen har bedt regjeringa vurdere å likestille økonomisk utdanningsbonus og dimisjonsgodtgjørelse. Det har vært et krav som BFO har lagt inn til komiteen i forbindelse med behandlingen av denne saken, og vi har fra Høyres side altså bedt departementet og regjeringa vurdere om det kan være en mulig løsning.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

For å forhindre piratangrep er det etablert transitter, som innebærer at skip samles i grupper og seiler i korridorer der de militære fartøyene er stasjonert langs ruten som vaktposter. Skipene har altså ikke permanent eskorte, men hvis et skip sender ut alarm, er responstiden på under 30 minutter, gjerne fra et helikopter på ett av de militære fartøyene. Konvoier er Adenbukta. Gjennom nærværet av de militære styrkene er Adenbukta i dag forholdsvis trygt for skipsfarten. Problemet er imidlertid at piratene opererer i store deler av Det indiske hav, hvor det ikke er konvoier, og hvor det militære nærværet ikke er effektivt nok for å beskytte skipsfarten. I praksis er piratfarvann i dag et område som i areal er større enn Europa, og det er derfor for enkelt å si at alt løser seg med en ekstra fregatt. For å forhindre piratangrep har næringen tatt initiativer, og det er etablert Best Management Practices, som vi her i salen vet kan iverksettes som frivillige tiltak. Lovløsheten i Somalia tillater piratnettverk å operere fra baser langs kysten. Piratenes baser på land er lokalisert i regionene Puntland og Galmudug i nordøst. Internasjonale tiltak for å bekjempe piratvirksomheten i somaliske farvann har til en viss grad bidratt til å dempe virksomheten. Men nettverkene tilpasser seg den internasjonale innsatsen. Problemet har forskjøvet seg til nye havområder utenfor rekkevidden til de internasjonale maritime styrkene. Piratnettverkene videreutvikler også sine metoder og tilpasser seg mottiltak fra den kommersielle skipstrafikken. Hvis piratnettverkene på fastlandet i Somalia ikke utfordres, mener Forsvarets etterretning at vi kan forvente at problemet vil øke i omfang. «En varig løsning av problemet krever at situasjonen på fastlandet stabiliseres», skriver de i den nylig framlagte trusselvurderingen. Norge bruker hvert år over 200 mill. kr til stabilisering i Somalia. Det er også viktig å si at de tiltakene som med fysiske tiltak som piggtråd eller vannkanoner langs skutesiden, har vært effektive i den forstand at det hittil ikke har vært vellykkede kapringer av skip som har fulgt samtlige forebyggende tiltak fullt ut. Men vår hovedprioritet i norsk politikk har jo vært å bygge opp rettsvesenet i Somalia. Dette er viktig, ikke minst for å sikre at sjørøverne får sin dom og må sone sin straff. Ni av ti pirater som tas til fange til sjøs, slippes ut igjen. Dette er totalt uakseptabelt, og viser hvor viktig det er å bekjempe sjørøveri via en bred tilnærming. Det er enighet i denne sal om at Norge skal bidra militært også for å bekjempe sjørøveri. Det har vi gjort både med fregatten KNM «Fridtjof Nansen», som ble stilt til disposisjon for EU-operasjonen Atalanta i et halvt år i 2009/2010, og med stabsoffiserer i operasjonen. Nå skal vi sende et Orion maritimt overvåkingsfly fra oktober i år – en kapasitet som er svært nyttig, og som er etterspurt av NATO, der vårt forsvar har god kompetanse gjennom lang erfaring fra overvåking av våre egne store havområder. Og vi er spesielt gode på kobling av den etterretningen som samles inn via fly, sammen med at fartøyene opererer på sjøen. Flertallet i denne sal mener derfor at intensjonen i representantforslaget er ivaretatt, og at en fregatt uten helikopter, som er det som opposisjonen vil sende i tillegg, heller ikke er like effektivt, og derfor ikke er aktuelt å sende nå. Det er nå fire måneder siden forslaget om økt norsk innsats Adenbukta ble fremmet. Dessverre må vi slå fast at situasjonen i farvannene øst for Afrika blir verre og verre for hver dag som går. Pirater tar stadig nye skip i arrest og holder besetningen som gisler for å true til seg stadig høyere beløp i løsepenger for hvert skip. Bare i årets tre første måneder ble 31 skip og rundt 800 mannskaper tatt i piratenes varetekt. En ting er de økonomiske konsekvensene av piratvirksomheten. I tillegg er det opprørende at sjøfolk i hundrevis skal holdes innesperret i kaprede skip. Påkjenningene er enorme. Piratene truer dem hele tiden med våpen. Noen av piratene er bare barn. Sjøfolkene får ingen informasjon. Arbeidsplassen deres er ikke bare blitt et fengsel, men et torturkammer. Norge har et ansvar for å delta aktivt i piratbekjempelse. Nå kapres også skip langs kysten av Kenya, Tanzania og Mosambik, og det nærmer seg Sør-Afrika. Skip som skal med kull fra Mosambik til Tyrkia, tar nå veien rundt Sør-Afrika, Atlanterhavet og Gibraltarstredet. Det tar 15 dager ekstra i forhold til å seile langs østkysten av Afrika og gjennom Suezkanalen. Piratvirksomheten fører til at øystaten Seychellenes bruttonasjonalprodukt blir redusert med anslagsvis Havner i Kenya er blitt stengt, cruisetrafikken har nesten opphørt, matvareprisene blir høyere på grunn av utryggheten i farvannene langs Afrikas østkyst – dette bare for å nevne noen av virkningene av piratenes nådeløse angrep på fredelig internasjonal skipsfart. Den 4. mars sendte Næringsdepartementet ut et høringsbrev, der ett av forslagene var å endre våpenforskriften slik at norskregistrerte skip Næringslivsstatsråd Giske har offisielt ikke trukket noen konklusjon, men Giske sa selv til Dagens Næringsliv 4. mars i år: «Det er ikke noen fattige guttunger som ror ut og tar en stor båt. Det er gjennomprofesjonelt.» Han er altså enig med oss i Fremskrittspartiet. Så er det de som sier at man må ha en løsning på land før man kan bekjempe piratvirksomheten effektivt. Det var nok riktig til å begynne med, men nå er piratvirksomheten blitt et selvstendig fenomen, helt løsrevet fra det som er situasjonen på landsiden i Somalia. Norsk Sjøoffisersforbund har gjort en undersøkelse som viser at forslagene fra Giskes departement har støtte. Blant skipsførerne å ha muligheten til å ta om bord bevæpnede vakter. Men så langt er ingenting skjedd på det området. Men det beste er å gjøre det umulig for piratene å kapre skip. Piratvirksomhet er av like gammel dato som organisert skipsfart. Like gammel er også erfaringen med at kun væpnet motstand hjelper for å bekjempe pirater. Norge hadde en fregatt i området i noen måneder for halvannet år siden. Det viste seg å være et effektivt tiltak mot piratene. Det er ikke nok til å stoppe piratvirksomheten, men det er et godt bidrag, som sammen med innsats fra andre land vil være effektivt. Norge er en stor sjøfartsnasjon. Vi har et ansvar. Vi skal sende et et Orion-fly som skal være i virksomhet i området, men det er ikke nok. Jeg mener det er usolidarisk av Norge å skyve nesten hele byrden over på andre land. Norge har moderne og slagkraftige krigsskip, og vi har økonomiske ressurser som behøves for å gjøre en aktiv innsats. Dessverre må vi slå fast at regjeringen har vært tafatt og passiv. Forsvarsministeren har hittil bare nevnt at en fregatt kan deployeres i 2012. Når i 2012 vet vi lite om. Det kan med andre ord dreie seg om halvannet år før en fregatt er på plass. Regjeringen dobbeltkommuniserer. Den ene statsråden kommuniserer ett syn, en annen statsråd det stikk motsatte. Statsråd Faremos passivitet står i grell kontrast til statsråd Giskes ønske om handling. Mindretallet i utenriks- og forsvarskomiteen ønsker derfor å styrke NATO-operasjonen Ocean Shield ved at vi stiller en fregatt til disposisjon igjen i år, og så snart som mulig. Jeg tar derfor opp forslaget fra komiteens mindretall. Representanten Peter N. Myhre har tatt opp det forslaget han refererte til. Foregående taler beskrev problemets omfang, som øker i

mer enn 1 000 det norske flagg i en eller annen valør på sitt skip. Det betyr at det i betydelig grad er et stykke Norge som passerer rundt i dette herjede farvannet. Det er egentlig norsk territorium som men i motsetning til alt annet av norsk territorium blir det ikke omfattet av den standard beskyttelse som vi forventer at norsk territorium, uansett geografi, skal bli omfattet av. Vi vet at den økte aktiviteten i Adenbukta og Det indiske hav er en større og større kostnad for hele verdenssamfunnet, som Man estimerer i år at dette vil koste verdenssamfunnet et sted rundt 12 mrd. amerikanske dollar – i direkte og indirekte kostnader. Denne aktiviteten har et økende omfang, og også en ditto økt kostnad. Derfor finner de to partiene som står bak forslaget, regjeringens tilnærming til dette spørsmålet direkte nølende. Det har vært en nølende tilnærming, en nølende tilstedeværelse. Vi har sett at land som Tyrkia, Hellas, Spania, Italia, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark har et større engasjement for å beskytte sine interesser, sin eiendom, enn det Norge har. USA er eksempelvis permanent til stede. Når man sammenligner – som saksordføreren gjør her kostnaden på opp mot 200 mill. norske kroner for fregattens tilstedeværelse, er det grunn til å merke seg at Hellas, med en annen økonomisk styrke, faktisk viser et større engasjement med sin tilstedeværelse i dette området. Det illustrerer den nølingen som jeg beskriver. Vi har en situasjon hvor piratene opptrer mer profesjonelt. De er bedre organisert, bedre utstyrt, mer bevæpnet enn tidligere. Piratene er mer voldelige enn før, og skip og mannskap blir holdt lenger før de blir frigitt. Piratene bygger seg opp systematisk for å intensivere og utvide aktiviteten, og det betales i større og større grad mer ut i løsepenger. Når flertallspartiene sier at intensjonen i forslaget er ivaretatt,

er faktisk at vi har utmeislet en permanent politikk på dette området som tar høyde for den utvidede aktivitet og også det trusselbildet som norsk eiendom, norske sjøfolk og norske rederier er og i enda større grad kommer til å bli utsatt for, i en situasjon som utvikler seg fra vondt til verre. Derfor er det fra Høyres side et krav om at man på dette området også må være i stand til å ivareta en langsiktighet og en forutsigbarhet i langt større grad enn den improvisasjon som piratpolitikken har båret preg av nå. Derfor forventer jeg at statsråd Faremo, når hun nå skal redegjøre for regjeringens politikk på dette området, kommer inn på hva slags «langsiktig politikk» regjeringen akter å utøve på dette området, i en situasjon som, som jeg har sagt tidligere, eskalerer fra vondt til verre. Norske og internasjonale sjøfolk opplever en daglig redsel for piratvirksomhet i Adenbukta. Situasjonen rammer internasjonal handel og er Situasjonen rammer internasjonal handel og er uakseptabel. Det går om lag 1 000 norskkontrollerte skip gjennom Adenbukta i året. Om lag halvparten av disse fører norsk flagg. Det innebærer at det til enhver tid befinner seg et betydelig antall norske skip med flere hundre norske og utenlandske sjøfolk om bord i disse farvannene. I tillegg kommer de fartøyene som seiler i Det indiske hav. Om lag 20 pst. av all handel i verden passerer gjennom Adenbukta. Til tross for om lag to års aktiv internasjonal innsats utgjør piratvirksomheten fortsatt en konstant trussel mot skipstrafikken. Piratsituasjonen i det indiske og arabiske hav har forverret seg de seneste månedene. Tall fra Det internasjonale maritime byrå for første kvartal 2011 fastslår at antall piratangrep i disse områdene er økende. Ytterligere 15 kapringer i perioden er et faktum. For øyeblikket holdes 20 skip med omkring 457 sjøfolk i piratenes varetekt. Piratenes aksjonsområde har økt kraftig, og de opererer nå i aksjonsgrupper i store deler av det indiske og arabiske hav. Denne betydelige utvidelsen av området har ført til et stort behov for maritime patruljefly som kan overvåke større havområder. Så langt har det vist seg vanskelig å få tilstrekkelige ressurser til slik overvåking. Spesielt for NATO er dette en utfordring. I tillegg er piratenes operasjonsmåter blitt mer aggressive, og det er nå vanlig at skip beskytes målrettet med automatvåpen og granater, ofte fra flere piratfartøyer samtidig. Så langt i år har piratene drept En rekke norske skip er blitt angrepet og forsøkt kapret. Piratvirksomheten utgjør en stor fare for sjøfolkenes sikkerhet. Norske rederier skal berømmes for sitt grundige forebyggende arbeid med å innføre mottiltak mot piratvirksomhet. Denne innsatsen har utvilsomt bidratt til at Norge Vi må imidlertid være forberedt på at også norske skip eller skip med norsk mannskap kan bli kapret. Løsepengesummene som utbetales for å få frigitt kaprede fartøyer, er økende. Gjennomsnittlig ble det i 2010 utbetalt 5,4 millioner dollar per skip, mot 150 000 dollar i 2005. En slik utvikling understreker behovet for at arbeidet med En slik utvikling understreker behovet for at arbeidet med å få bedre oversikt over pengestrømmen og hvitvasking av inntekter fra piratvirksomheten intensiveres. Den militære innsatsen er én viktig komponent i arbeidet mot piratvirksomheten. Regjeringen besluttet derfor som kjent 4. april å iverksette planleggingen for innsetting av et norsk P-3N Orion maritimt patruljefly for en periode på inntil tre måneder høsten 2011 som en del av NATO-operasjonen Ocean Shield. Samtidig ble det besluttet å sende to stabsoffiserer til NATO Shipping Centre i inntil åtte måneder. Offiserene er allerede på plass og skal bidra til å bedre koordineringen opp mot den internasjonale skipsfarten. Både NATO og EU har uttrykt behov for fartøyer med helikopter om bord og maritime patruljefly. Både EU og NATO etterlyser militære bidrag. Dette gjelder i særdeles NATO-operasjonen Ocean Shield. Etter at denne operasjonen ble iverksatt, har NATO gjennomgående hatt en konstant underdekning på fartøyer Spesielt mangelen på maritime patruljefly oppfattes som problematisk gitt det utvidede operasjonsområdet. Det norske patruljeflybidraget er således vurdert til å være det som best imøtekommer det militære behovet i området. Informasjonene fra patruljeflyet rapporteres til NATO-operasjonen, og vil også deles med EU-operasjonen i området. Årsaken til at patruljeflybidraget er på tre måneder, er at vi ikke ønsker at bidraget til Adenbukta skal gå på bekostning av vår nasjonale evne til å overvåke våre nordlige havområder. Det er de militære behovene som har vært entydig uttrykt både i NATO og EU, som har vært styrende for at Norge har besluttet at vårt bidrag denne gangen vil være et maritimt EU etablerte sin maritime operasjon, Atalanta, den 8. desember 2008. Hensikten er å eskortere Verdens matvareprograms forsyningsskip til Somalia og beskytte utsatt skipsfart mot piratvirksomhet. Norge deltok med fregatten KNM «Fridtjof Nansen» med et mannskap på 160 i en periode på seks måneder fram til februar 2010. Oppdraget ble løst på en meget god måte, og operasjonsledelsen i Atalanta betraktet det norske bidraget som svært viktig.

Somalia – årlig 200 mill. kr til formålet, derav var ca. halvparten avsatt til nødhjelp i fjor. I år trapper vi opp innsatsen ytterligere med 30 mill. kr, da for å bygge kapasitet i regionen, for å kunne straffeforfølge og dømme sjørøverne. En viktig del av dette vil bli å finansiere fengsler i stabile deler av Somalia, slik at dømte sjørøvere også kan sone i sitt hjemland. Vi trapper også opp vår dialog med myndighetene i Puntland. Norge hadde også formannskapet i første halvår i fjor i kontaktgruppen som koordinerer den internasjonale innsatsen mot sjørøverproblemet og har vært med å få på plass et støttefond som genererer penger fra flere land. Dette er også midler som kan settes inn i arbeidet med å straffeforfølge

Altså er ikke de tiltakene som gjennomføres av en rekke nasjoner i området, tilstrekkelige, og må altså styrkes. Det er vel og bra at det skal sendes et Orion-fly. Men det forutsetter jo at det finnes marinestyrker i nærheten som kan ta affære. Når det gjelder næringsminister Giskes forslag, som er blitt sendt ut på høring, om å tillate bevæpning av norske skip i området, vil jeg spørre Når det gjelder næringsminister Giskes forslag, som er blitt sendt ut på høring, om å tillate bevæpning av norske skip i området, vil jeg spørre om forsvarsministeren er enig i at det er et adekvat

riktig og viktig at man eventuelt også engasjerer seg internasjonalt for å sikre at det etableres gode rammer rundt et slikt regime. På dette tidspunktet vil ikke jeg utelukke at det også kan være et virkemiddel å ta i bruk fra norsk side.

sjøfolk, som opplever alvorlige trusler hver bidige dag? Det er helt riktig at jeg tegner et dystert bilde av situasjonen. På tross av en militær operasjon gjennom lengre tid, ser vi et bilde som utvikler seg til det verre. Det er også regjeringen er opptatt av en bred tilnærming, som innbefatter flere tiltak, både i samarbeid med rederinæringen og med sikte på å styrke forholdene på land. Militær innsats er også en viktig del av tiltakspakken. Jeg utelukker ikke at også Norge vil komme tilbake med nye bidrag etter at Orion-flyet har gjort tjeneste i området. På dette tidspunktet er Orion-flyet den kapasiteten som vi best kan bidra med i en operasjon som trenger også overvåking av stadig større havområder i samvirke med skipene. Det er en betydelig kostnad knyttet til piratvirksomheten, også for norske rederier og

Det har gått halvannet år siden sist vi hadde en fregatt i Adenbukta, når vi kommer til å ta beslutningen om deployering av et Orion-fly. Mener statsråden at det er tilfredsstillende at man ikke har tilstrekkelige styrker i dette området? Mener statsråden at det hun og hennes departement har gjort for å være til stede, er tilfredsstillende for å beskytte verdenshandelen og norsk eiendom ved norske skip? Det jeg mener er viktig for oss å bidra med, er etterspurte kapasiteter, og med Orion-flyet mener jeg at vi bidrar på en god måte i situasjonen hvor piratvirksomheten har utviklet seg fra vondt til verre. Vi snakker om internasjonal organisert kriminalitet, som krever langt flere tiltak enn bare de militære. Her ligger det selvsagt et stort ansvar på det internasjonale samfunnet, og vi vil i fortsettelsen også bidra også bidra med tiltak på ulikt hold, som jeg også har vært med på å redegjøre for i tidligere innlegg. Og vi vil selvsagt følge denne situasjonen nøye og se hvordan vi best mulig kan bidra også i framtiden. Alle de som er Alle de som er tilbakeholdende når det gjelder å bruke norske militære ressurser i Adenbukta og langs Afrikas østkyst, har en tendens til å begrunne dette med at man må gjøre noe på landsiden i Somalia først. Situasjonen i Somalia er som vi vet svært komplisert, og vi vet også at piratvirksomheten i større og større grad lever sitt eget liv – helt uavhengig av situasjonen i Somalia – og at piratene rekrutterer fra en rekke forskjellige land. Spørsmålet mitt er derfor: Mener regjeringen virkelig at den store militære innsatsen mot piratene først skal finne sted når man – om ett år, eller ti, eller tyve – har funnet den løsningen som man håper på i Somalia?

og i den situasjonen har vi sett det riktig å bidra med et Orion-fly, som kan bidra med informasjon fra luften for at skipene som går i dette store området i de militære operasjonene, skal ha best mulig informasjon om aktivitet som foregår. Jeg håper med det at jeg også får illustrert at det er ikke bare med militære tiltak alene denne situasjonen kan bedres. 20 000 seilinger i området krever langt mer enn 24 fartøy, om man skulle tenke at dette fant sin løsning militært. Norge har som skipsfartsnasjon betydelig interesse av at det er Norge har som skipsfartsnasjon betydelig interesse av at det er sikkerhet i dette området. Hvordan mener statsråden det er forsvarlig at vi skal overlate alt ansvaret for sikkerheten til skipene i dette området til andre nasjoner, og ikke ta vår del av ansvaret? Vi tar absolutt vår del av ansvaret, og som jeg også sa, er det all grunn til å anerkjenne næringen selv for det arbeidet de selv gjør for å sikre seg best mulig. Vi kan konstatere at ved å etterleve de retningslinjene som næringen selv har utviklet, er det disse fartøyene som også er best trygget mot pirater. Men vi vil fortsatt bidra, også militært, og derfor vil Orion-flyet være på plass i operasjon Ocean Shield fra oktober av i Adenbukta og dette store området som nå omfatter både Det

men uenigheten ligger i hva bidraget skal være. Flertallet i komiteen mener at et norsk bidrag best imøtekommer NATOs behov ved deployering av et maritimt overvåkingsfly. I brevet fra forsvarsministeren, datert 15. mars, framkommer det tydelig at Norges bidrag til utenlandske operasjoner må ses i sammenheng. Dette støtter undertegnede. Norge har et betydelig bidrag både i Afghanistan og i Libya, og vår evne til å bidra effektivt i NATOs operasjon i Adenbukta og i Det indiske hav, vil derfor være slik som NATO etterspør, nemlig et Orion-fly. Situasjonen utenfor Somalia kan ikke alene ses på som et isolert problem, slik Fremskrittspartiet og Høyre langt på vei antyder i sine merknader. Situasjonen på land og i Somalia er svært alvorlig, og jeg er derfor glad for at regjeringen aktivt jobber for å bedre rettsforholdene på land. Somalia har blitt omtalt som en såkalt «failed state», noe som gjør at utfordringene på land selvsagt henger nøye sammen med de ulovlighetene vi også ser på havet. Både regjeringen, og også vår internasjonale skipsfartsnæring tilkjennegir at løsningen på problemet ikke alene kan løses på havet, og at vi derfor aktivt må legge til rette for å finne løsninger på utfordringer som bl.a. innebærer å styrke rettsvesenet i Somalia og derfor på land.

får vær så god

Internasjonalt farvann må ses på som et felles ansvar for de omkringliggende land og de nasjoner som opererer i farvannene. Norge som en stor sjøfartsnasjon har derfor et spesielt ansvar for å sikre de farvann vi seiler skip i. Piratvirksomhet har blitt et prekært problem å bekjempe senere år, og særlig har problemene toppet seg rundt – og i – Adenbukta. Men også langt utenfor dette området Men også langt utenfor dette området opererer nå pirater. De fleste av disse er organisert fra Somalia. En utvikling vi også har sett, er at piratene har stadig mindre tilknytning til stridighetene på land i Somalia, og at virksomheten nå i større og større grad bærer preg av å være internasjonal kriminalitet. Det er skremmende å tenke på at denne typen kriminalitet vokser. Det er viktig at Norge bidrar til å stanse denne opptrappingen av angrep på skip. Vi kan ikke sitte og se på at kriminelle nettverk og terrorister tar et større grep om premissene rundt skipsfarten i verden. De største piratgruppene utgjør nå så store økonomiske enheter at det i stor grad påvirker økonomi og aktivitet flere steder i Somalia. Antallet kaprede skip er nå i overkant av 30, og det befinner seg ca. 750 gisler om bord i disse skipene. Piratene har også utviklet seg når det gjelder utstyr og trening, og har blitt betydelig mer profesjonelle. Piratene har store økonomiske gevinster fra sine kriminelle handlinger, noe som har en smitteeffekt og medfører at unge arbeidsledige og tidligere fiskere ser på piratvirksomhet som en forlokkende aktivitet. Derfor er det svært positivt at det er militærfartøy fra EU, USA, Kina, India, Russland og Japan til stede for å kjempe mot denne piratvirksomheten. Norge var også med i perioden august 2009 til februar 2010 med fregatten KNM «Fridtjof Nansen». Fregatten var et positivt og godt bidrag i den flernasjonale innsatsen for å stoppe pirater. Statsråden har uttalt at det kan bli aktuelt å sende fregatter til Adenbukta igjen, men ikke før i 2012. Det synes vi i Fremskrittspartiet ikke holder mål. Det er nødvendig med en snarlig norsk deltakelse i den flernasjonale innsatsen. Det er viktig at Norge viser at vi ikke tolererer denne virksomheten. Det er

Jeg har lyst til å anbefale både Høyre og Fremskrittspartiet å lese den siste trusselvurderingen som ble lagt fram på tirsdag fra E-tjenesten i Forsvaret. De skriver veldig tydelig: «En varig løsning av problemet krever at situasjonen på fastlandet stabiliseres.» Og

mens når det kommer til pirater, er det å bygge fengsler en ikke akseptabel metode: Er de tilfreds med at ni av ti pirater slippes løs? Og hva er i tilfelle deres løsning på det problemet? Jeg har også lyst til å spørre Høyre og Fremskrittspartiet, som nå vil sende en ekstra fregatt: I et havområde som utgjør en størrelse tilsvarende Europa, og det finnes fregatter, hva er den store forskjellen den 25. fregatten skal bidra med i forhold til den effektiviteten som en faktisk får ved å sende et Orion overvåkningsfly? Vi vet fra våre havområder at det å ha et Orion overvåkningsfly ute på oppdrag er svært effektivt. Det er en mer effektiv måte å bekjempe piratvirksomhet på på enn å sende en fregatt til, er min personlige mening. Så har jeg lyst til å si at det er tilbakevist at Norge som sjøfartsnasjon ikke har tatt sitt ansvar. Statsråd Faremo gikk gjennom hva vi har gjort, hva vi bidrar med helt konkret, både sivilt og humanitært,

Det er liksom bare fregatter som gjelder. Det er bare fregatter som liksom er ordentlige militære bidrag. Nå er maritime overvåkningsfly en etterspurt kapasitet, da stiller vi med det. Men det blåses liksom bort av forslagsstillerne, det er fregatter som gjelder. Representantforslaget ble faktisk også fremmet før regjeringa besluttet å bidra med et Orion overvåkningsfly til området, så jeg sitter igjen med det inntrykket at det liksom ikke spiller noen rolle hva en gjør og hva situasjonen krever; vi skal stille med en fregatt uansett. Vi må ta situasjonen i området på størst mulig alvor. Derfor bidrar vi nå med et Orion overvåkningsfly, så får vi se om vi kanskje vi kanskje skal bidra med andre typer bidrag senere, for det ser dessverre ikke ut som om det er noen snarlig løsning på problemet. Da jeg hørte innlegget til Peter N. Myhre, virket det på meg som om han mente at det bare er våpen som gjelder, våpen løser problemene. Ja, det løser kanskje situasjonen om bord på de skipene som blir kapret – i alle fall delvis men det løser jo ikke de grunnleggende årsakene til piratvirksomheten, for de finnes på fastlandet i landene rundt Afrikas Horn og østlige deler av Afrika. Derfor må vi kunne klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både bidra med militære kapasiteter, som vi nå gjør nok en gang, og som vi også kanskje i framtida skal bidra ytterligere med, og vi må bidra langsiktig til og vi må bidra langsiktig til å løse de store utfordringene som finnes i landene i østre deler av Afrika. Jeg ba relativt nylig om ordet. Inntil de to siste talerne holdt sine innlegg, tenkte jeg som så at nå er

fordi det er usaklig, det er uriktig, og det gjør at denne debatten tar en vending som den ikke burde fått. Det har aldri blitt gitt uttrykk for fra Fremskrittspartiets side at vi er imot å sende et Orion-fly. Snarere tvert imot er vi helt enige med både regjeringen og regjeringspartiene i Stortinget i at det er viktig å styrke overvåkingen av havområdene, slik at de styrkene som deltar i Ocean Shield på sjøen, kan koordineres og settes inn for å gjøre sine bidrag. Det argumentet jeg synes er vanskeligst å forholde meg til, er det at det spiller vel ingen rolle om vi sender et marinefartøy når det allerede er 24 der, for det er så liten forskjell på 24 og 25. Det kan jo alle si. Det er jo ikke hvert enkelt skip som betyr noe, det er jo summen av dem som er den kapasiteten som må til for å ha en sterkere kontroll med piratenes virksomhet, og få eliminert så mye som mulig av den. Jeg har også lyst til når det gjelder Sverre Myrli: Han går altså også i den fellen at han sier at man er nødt til å løse situasjonen i Somalia, fordi uten at man løser situasjonen i Somalia, er det ikke mulig å få gjort noe med piratvirksomheten. Det hadde nok Myrli hatt rett i hvis han hadde sagt det for to år siden, men i dag er ikke det riktig lenger. av de enorme beløpene som er blitt cashet inn av piratene i området, er dette nå blitt en så lønnsom geskjeft at den kommer til å fortsette uansett, med mindre man har en sterk Ocean Shield-virksomhet med de nødvendige styrkene som må til, ikke bare for å hindre en fortsatt økning av piratvirksomheten i området, men for å få redusert den. Da er neste taler representanten Ivar Kristiansen, som er siste inntegnede taler. Det må ikke oppfattes som en oppfordring. Jeg skal prøve å ta hensyn til presidentens skjulte oppfordring. Jeg vil bare gi uttrykk for at regjeringspartienes representanter gjør alt de kan for å komme sin statsråd til unnsetning her i denne debatten. Sånn skal det selvfølgelig også være når situasjonen tilsier det, og når det er nødvendig, og tiden er jo absolutt inne for den type aktivitet i dette øyeblikk. Det er jo den blankeste selvfølge at situasjonen må løses også på land, men det kan vel ikke bli den store trøsten for norske redere, norske sjøfolk og andre sjøfolk som seiler på norsk lønn – eller for dem som i hvert fall får lønnsutbetalinger om bord på norsk eiendom – i en situasjon hvor piratvirksomheten eskalerer. Bare fregatter, er Høyres ønske – nei, selvfølgelig ikke. Men vi har lyttet til hva Sjømannsforbundet har bedt om og hva Norges Rederiforbund har bedt om. Det kan neppe ha gått regjeringspartienes representanter helt hus forbi. Vi støtter selvfølgelig at man sender et overvåkingsfly nedover. Men poenget må jo være at vi skal stille opp. Stormakten skipsfartsnasjonen Norge må ikke lene seg på andre – på Hellas og Tyrkia – for at de skal ivareta våre interesser. Se hva USAs forsvarsminister Gates uttaler nå hver dag når han har mulighet til å si noe om situasjonen med militær satsing i Europa – nasjonal satsing blant europeiske land – at nå er det på tide at man strammer seg opp, våkner opp, og sin egen sikkerhet høyere enn den prioritering man har vært villig til å foreta så langt. Vi har de militære kapasitetene. Dette handler om å delta på lik linje og med en størrelse som er representativ for det omfanget som Norge representerer – norsk økonomi, norsk tilstedeværelse og norsk personell – i dette

Det legges derfor nå opp til å erstatte disse seks stasjonene med to nye, moderne stasjoner – en på Svanvik i Pasvik og en i nærheten av Storskog. Stortinget har tidligere vedtatt at Forsvarets fagmiljøer innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i størst mulig grad skal samles på Jørstadmoen ved Lillehammer. Dette følger regjeringa opp, og den økte aktiviteten på Jørstadmoen medfører at det nå er behov for mer forlegningskapasitet. Derfor er det gledelig at det er full tilslutning til at Forsvaret kan bygge nye befalshybler og ny fritidsmesse på Jørstadmoen Gjennom flere år har Forsvaret arbeidet med et felles integrert forvaltningssystem – LOS-programmet. Det såkalte Logistikkprosjektet er det tredje og siste store prosjektet i LOS-programmet. Gjennomføringen av dette prosjektet overstiger den tidligere vedtatte kostnadsrammen, og det betydelig. Utenriks- og forsvarskomiteen mener prosjektet ikke kan stoppes nå, men det er ikke med lett hjerte vi gir tilslutning til å øke kostnadsrammen for prosjektet, og jeg ber Forsvaret om at de merker seg komiteens noe kritiske merknader. La meg også ganske kort si at utenriks- og forsvarskomiteen ikke har noen merknader til de sakene regjeringa i proposisjonen har lagt fram til orientering for Stortinget. Det gjelder Regionfelt Østlandet, arbeidet med energiøkonomisering i Forsvaret, innkjøp av nytt forskningsfartøy, status for nasjonalt kompetansesenter for helikopter og arbeidet med organisatoriske endringer ved Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller. La meg så gå over til den store saken, nemlig anskaffelse av treningsfly til Luftforsvaret og videreutvikling av Joint Strike Missile, 6. juni 1975 vedtok Stortinget med 100 mot 19 stemmer å gå til anskaffelse av 72 jagerfly av typen F-16. De 36 årene som har gått siden da, har vist at det var en klok, riktig og framtidsrettet beslutning. Da F-16 kom i 1980, var det et stort teknologisk og operativt sprang for Forsvaret. Men vi har altså nå hatt F-16 i 31 år, og de skal fortsatt brukes i ti nye år. Flyene begynner å bli gamle. Vi må sørge for å ha på plass nye fly som kan erstatte F-16 når den dagen kommer at de skal settes på bakken. Norge er et langstrakt land med store områder både til lands og til havs og med tilsvarende store luftrom. Derfor er et operativt kampflyvåpen ekstra viktig i et land som vårt. Nye kampfly er avgjørende for at Forsvaret også i framtida skal kunne ivareta vår sikkerhet og suverenitet på en tilfredsstillende måte. Det virker å være stor enighet om det. Men da må vi sørge for å fatte de riktige beslutningene, slik at vi har nye fly som kan ta over den dagen F-16 ikke lenger er i operativ drift. Å anskaffe nye kampfly er en omfattende og tidkrevende prosess. I 2009 vedtok Stortinget at F-35 skulle bli Norges framtidige kampfly. F-35 var det beste flyet, beste flyet, det flyet som best kunne møte de kravene Norge stilte. Dessuten var det billigere enn «konkurrenten», for å bruke et slikt begrep. Norge deltar i det flernasjonale F-35-programmet sammen med åtte andre land. Utviklingsprogrammet har blitt noe forsinket. Dette påvirker også Norges leveranser, og de første flyene er nå planlagt levert i 2018. Tatt i betraktning at F-16-flyene da vil være nærmere 40 år gamle, vil dette by på utfordringer. Det er begrenset hvor lenge en kan oppgradere og vedlikeholde så gamle flyskrog. Derfor har regjeringa foreslått for Stortinget at den går til anskaffelse av fire F-35 treningsfly, som altså to år før sjølve hovedleveransen av fly kommer. På denne måten kan vi starte med opplæring av flyvere, teknikere og annet støttepersonell før hovedleveransen starter i 2018. Dersom vi ønsker disse treningsflyene i 2016, må bestillingen meldes inn i august i år, og den må bekreftes i desember. Dersom vi ikke melder inn bestilling i august, må vi vente et år, og vi får først treningsfly levert i 2017. Spiller et år fra eller til egentlig så stor rolle? På det spørsmålet vil jeg svare et ubetinget ja – tatt i betraktning F-16-flyenes høye alder. Med fire treningsfly i 2016 og hovedleveranse fra 2018 får vi en gradvis innfasing av F-35 samtidig som La meg så kommentere noen av temaene det har vært litt støy omkring – ikke i komiteen eller i komiteens innstilling, men i media har det vært støy, delvis forårsaket av en del av de samme representantene som sitter i komiteen. I komitéinnstillinga går de inn for flykjøpet, i media er de imot. Det har blitt hevdet at en ikke veit hva prisen for flyene blir. Men for de fire treningsflyene vi i dag har til behandling, veit vi prisen. De koster 800 mill. kr per stykk, 3,2 mrd. kr til sammen, og med avsettinger til usikkerhet – slik en skal gjøre ved slike prosjekter – er kostnadsrammen 4,8 mrd. kr. Det er ingen usikkerhet omkring det. For de øvrige flyene, som skal leveres fra 2018, sjøl om vi har gode beregninger på hva den vil ligge på. Grunnen til at prisen ikke er klar, er at flyet ikke er ferdig utviklet. I det offentlige ordskiftet den siste tida har det versert mange tall om hva kampflyanskaffelsen vil koste – en ganske forvirrende debatt, der mange ikke har villet høre de korrekte tallene. La meg derfor forsøke å redegjøre for kostnadsutviklingen i kampflyprogrammet:

Anskaffelseskostnadene er nå beregnet til 61 mrd. 2011-kroner, altså er anskaffelseskostnadene økt med 1 mrd. kr siden beregningene i 2008. Og hvor kommer så beløpet på 72 mrd. kr fra? Jo, det er beløpet på 61 mrd. kr tillagt avsetninger for usikkerhet, slik regelverket fordrer, dersom verst tenkelige utfall skulle bli realitet. Men det er altså 61 mrd. kr som er tallet i dag, og økningen er på 1 mrd. kr – ikke 20, ikke 40, ikke 50, som noen har påstått. Neste år skal Stortinget behandle hovedanskaffelsen av nye kampfly. Da vil vi sjølsagt også ha et oppdatert beslutningsgrunnlag, inkludert det som går på pris. Hvis en ikke ønsker omkamp på sjølve flyvalget, hva er da problemet med å bestille de fire treningsflyene nå, all den tid vi neste år skal foreta en grundig behandling av hovedanskaffelsen av nye kampfly? Usikkerhet om prisen kan det i alle fall ikke være – prisen på disse fire flyene veit vi. Hvorfor kan vi ikke vente med beslutningen om treningsfly til neste år? Jo, det kan vi sjølsagt gjøre, men da får vi flyene i 2017 og ikke i 2016. Noen har sagt at vi burde utsette avgjørelsen til i høst. Det hadde vært veldig spesielt, siden flykjøpet må meldes inn i august. Hadde vi utsatt saken til i høst, kunne vi like gjerne ha utsatt den til neste år. Jeg er glad for at Stortinget i dag fatter vedtak om å gå til innkjøp av fire F-35 treningsfly. Så kommer vi tilbake til resten av kampflyprogrammet – inkludert pris- og kostnadsspørsmålet – når vi neste år skal behandle hovedleveransen. La meg til slutt nevne videre utvikling av Joint Strike Missile – JSM – som vi også skal fatte vedtak om i dag. JSM er en vesentlig del av Norges kampflyanskaffelse. Det er full enighet om at vi skal bidra til utvikling av trinn 2 i JSM-programmet. Det er svært gledelig. Lykkes vi med det, får vi et kampflyvåpen med et missil i verdensklasse, samtidig som det kan bli et industrieventyr for norske bedrifter, kanskje uten sidestykke. Andre talere fra Arbeiderpartiet vil komme nærmere inn på det. Jeg anbefaler med dette komitéinnstillingen på det varmeste og vil samtidig også oppfordre dem som står bak den, til å stemme imot forslaget fra Venstre, som er fremmet i dag.

Det er helt korrekt som saksordføreren redegjorde for, at denne proposisjonen også handler om andre ting enn kjøp av jagerfly, men det store fokuset har utvilsomt vært på pris, prosess og kjøp av flyene. Så har saksordføreren helt rett i at prisen på de fire første ikke er problemet. Men det er altså sånn at noen av oss har vært bekymret for veien videre og konsekvensene videre. Det som saksordføreren sa om JSM-missilet, er selvfølgelig en viktig faktor i denne saken og viktig som sådan. Men jeg tror jeg vil starte med noe annet. Jeg tror rett og slett jeg vil starte med å gratulere Forsvaret, starte med å gratulere Luftforsvaret og jeg holdt på å si min gode venn oberst Charles Svensson – som er den som har jobbet med prosjektet i Forsvaret, sammen med andre av hans kolleger – for at Stortinget i kveld faktisk skal gjøre det vedtaket de skal gjøre. I den grad det har vært et snev av tvil, kommer den til å være borte når denne kveldens debatt og avstemning er over – så fremt det ikke skulle skje noe særdeles overraskende når det gjelder Venstres forslag. Det tror jeg er bra, fordi man da får en forutsigbarhet framover. I tillegg vet jeg ikke om det er urimelig eller uhørt å si takk til USA, som skal levere produktet til oss etter hvert. Videre må jeg si at jeg synes Arbeiderpartiet har håndtert denne saken fortreffelig. Jeg synes man har gjort en strategisk og taktisk jobb. Man har konkludert med fly. Man har valgt en strategi som gjør at ved å gå inn for de fire flyene nå blir det ikke noe mer snakk om valg av type fly i hvert fall, fordi man umulig kan kjøpe en type treningsfly og så gå bort fra det etterpå. Så her fanger bordet ettertrykkelig. I tillegg går jeg ut fra at det også handler om å få på plass kontrakter mot norsk forsvarsindustri, som selvfølgelig også er positivt. Jeg er – i hvert fall til en viss grad – overrasket over at SV er med på dette. Her skal man

dag synes jeg ikke at statsråden var spesielt tydelig. Jeg synes statsråden virket svak og unnfallende i en del av spørsmålene. Hvis saken hadde vært like enkel og grei som saksordføreren redegjorde for, vet jeg ikke om det hadde vært så stort behov for høring, og om det hadde blitt såpass mye tvil som det ble. Jeg tror jeg skal tillate meg å lese en kommentar som sto i Aftenposten dagen etter høringen. Jeg siterer følgende: «Forsvarsminister Grete Faremos redegjørelse for Stortingets utenriks- og forsvarskomité i går var preget av unnvikende manøvrer og få direkte svar på de mange spørsmålene som komiteen stilte om kampflykjøpet. Men i aller siste sekvens av Faremos deltagelse slapp en av hennes bisittere fra Forsvarsdepartementet, avdelingsdirektør Frede Hermansen, katten ut av sekken. Det amerikanske F-35 var ikke billigere enn den svenske Gripen. Anslaget fra produsenten Lockheed Martin på 18 milliarder kroner for 48 fly ga et «ufullstendig bilde». Prisen var egentlig 31 milliarder kroner.

Jeg håper selvfølgelig at statsråden og regjeringen har rett i at prisen ikke vil komme til å overstige prisen på de fire flyene vi skal vedta kjøp av i dag, for det er ikke tvil om at Stortinget havner i en situasjon der bordet fanger. Det valget vi gjør i kveld, vil ha betydning – jeg holdt på å si langt på vei uavhengig av hva prisen blir etterpå. Jeg synes det er skummelt, for av og til diskuterer vi lånegjelden til befolkningen i dette landet. Vi er bekymret for at volumet går opp. Hvis renten stiger, vil folk er en positiv bekymring, fordi man er redd for konsekvensene videre. I tillegg: Hvis en kommune hadde prøvd seg på noe lignende, føler jeg meg overbevist om at fylkesmannen ville ha satt foten ned og kalt det uansvarlig; det er altfor usikkert å gjennomføre det. Men Stortinget skal altså rett og slett gjøre et vedtak som har konsekvenser som jeg håper inderlig vil holde seg innenfor den rammen som man hadde Hvis ikke kommer dette til å skape en politisk situasjon senere som vil bli svært interessant. At flykjøpet er viktig forsvarsmessig, er hevet over enhver tvil. Det er viktig at vi får et nytt og moderne fly. Det er viktig for at vi skal kunne gjøre jobben vår med hensyn til egen suverenitet, men også som et NATO-land. Og som saksordføreren sa, F-16-flyene trenger etter hvert avløsning. For Fremskrittspartiets del har det ikke vært noen tvil om at vi trenger flyene. Vi har vært kritiske til prosessen. Så var saksordføreren også inne på et mulig industrieventyr. Finansavisen har en artikkel i dag som sier noe om potensialet i framtiden. Men det er jo også slik at man gjennom denne kontrakten har akseptert «best value». Slik jeg har forstått det, betyr det at vi kan treffe en innertier. Men det ligger også en stor grad av risiko der, på grunn av at vi ikke kommer inn jeg får håpe, som saksordføreren, at vi treffer. Hvis ikke kan dette bli kostbart, og vi sitter igjen med lite etterpå, dog med unntak av flyene som vi skal kjøpe. Så kunne jeg tenke meg å fokusere litt på innstillingen som sådan. Jeg kunne tenke meg å referere til et par ting som står der, og håper selvfølgelig at statsråden kan kommentere det når hun skal ha sitt innlegg siden. Det er altså en komitémerknad som lyder som følger:

man har en buffer, man har 61, og man har 11 i slakk oppover. Man har altså et tak på godt og vel 70 mrd. kr. Når Stortinget er så tydelig i sitt krav om det, ser jeg fram til å høre statsrådens svar på: Hvis man skulle komme opp i en situasjon gjennom kontraktsforhandlingene hvor dette blir et problem, hva gjør vi da? Er ideen da å kjøre det videre, ta en ny runde i Stortinget og innrømme at man tok feil? Vil det være en idé å redusere kjøpet til et lavere antall fly, eller anser statsråden at dette er helt uproblematisk, og at det ikke kommer til å skje? Det handler av og til om å ta et politisk ansvar, om å ha ryggrad til å ta beslutninger og å være sikker på at det man gjør, er rett. Og noen ganger når man er sikker på at man har rett, tar man likevel feil, fordi ettertiden endrer konklusjonene på det man trodde på tidligere. For å konkludere: Fremskrittspartiet kommer til å støtte forslaget slik det

innstillingen. Jeg registrerte, etter å ha hørt igjennom høringen igjen i dag, at statsråden brukte begrep som «sikker på», «trygg på» og «basert på». Det gleder meg jo å høre statsråden, som er så tydelig, som tar ansvar, og som er seg sitt politiske ansvar såpass bevisst – for det vil være svært overraskende hvis vi har hørt det siste ordet i denne saken, slik den har vært omtalt så langt.

Høyre har helt siden prosessen startet, vært tilhenger av at Norge skal anskaffe F-35, som etter all sannsynlighet vil være det skarpeste, mest fleksible og mest effektive kampflyet som noen gang er produsert, når det leveres oss innen utgangen av dette tiåret. Det handler også om at Norge skal være en troverdig alliert i NATO. I denne sammenheng er det også viktig å understreke at Stortingets forutsetninger fra 2009 fortsatt gjelder. Det skal være industriavtaler. I den sammenheng er det derfor sterk støtte til utviklingen av JSM, trinn 2. I innstillinga til proposisjonen fra 2009 understreket Høyre at sjøl om vedtaket kun ga regjeringa fullmakt til å forhandle med Lockheed Martin om kampflykjøp, innebar det et reelt valg av kampfly. I den samme innstillinga gjorde vi det klart at sjøl om det var uoverensstemmelser rundt prisen på de to alternativene som ble vurdert, var pris bare ett av mange kriterier. Det utslagsgivende for Høyre var at den fagmilitære vurderingen viste at F-35 var den eneste av kampflykandidatene som oppfylte de operative krav Norge hadde satt. Vi er fortsatt av den klare oppfatning at F-35 er det rette flyet for det norske forsvaret.

var det nødvendig for Stortinget å få langt mer informasjon før beslutning ble tatt. Blant annet har det siden Stortinget sist diskuterte dette, vært flere omstruktureringer av F-35-programmet. Det har vært forsinkelser, det har vært fordyrelser. Høyre har i flere omganger forut for denne saken stilt spørsmål både i åpne og i lukkede fora.

Kostnadsestimatet både for kjøp av treningsfly og for selve hovedanskaffelsen i 2018 omtales med knappe 200 ord – eller på en kvart side. Tallene er usammenlignbare, og informasjonen framstår som fullstendig kryptisk og utilgjengelig, sjøl for skarpskodde tallknusere. For et innkjøp som binder oss i enda sterkere grad til den største investering i Fastlands-Norge noensinne, framstår to sider som veldig mangelfullt. Og det er et helt ufullstendig beslutningsgrunnlag. Det var på denne bakgrunn at Høyre i komiteen tok et initiativ til å få arrangert en åpen høring. Den ble avholdt den 6. juni. I tillegg til høringen så komiteen seg nødt til å sende inn flere spørsmål, både før høring og etter høring. Alle spørsmål og svar samt hele referatet fra høringen er vedlagt innstillingen, og jeg henviser til de svarene som framkom muntlig i høringen og skriftlig som svar på innsendte spørsmål.

Her har Stortinget gjort den jobben regjeringa skulle ha gjort før den framla saken for Stortinget. I den sammenheng viser jeg spesielt til svar på spørsmålene 2–4 i vedlegg 3 og svar på spørsmålene 1–8 i vedlegg Fra Høyres side vil vi understreke at det som i svarene framstår som en teknisk justering for prisvekst, i realiteten er mer enn en betydelig økning av kostnadsrammen for anskaffelsen. Uavhengig av om prisendringen skyldes valutaendringer, om den skyldes forskyvning av prosjektet lenger ut i tid, eller om den skyldes andre forhold, er det like fullt en reell prisøkning og må av departementet eksplisitt framstilles som det

ville foretrukket å vente med beslutningen til helhetsbildet foreligger. Likevel kommer man til et punkt hvor man må kunne legge departementets og statsrådens redegjørelse til grunn. Det er i departementet man sitter på utredningskapasiteten, på oversikten over framdrift og status i prosjektet og på innsyn i pågående forhandlinger med produsent og partnerland. I spørsmålene våre til departementet er det spesielt to ting som er utslagsgivende for Høyre for det første at departementet skriver at det ikke er noe som tyder på at man vil gå utover de anslagene for levetidskostnader som ble presentert i 2008. Jeg siterer deler av svaret på spørsmål 5, fra Høyre, i vedlegg 3: «Totalt sett er det Forsvarsdepartementets vurdering at kostnadsbildet, herunder også de totale levetidskostnadene, ikke er vesentlig endret og befinner seg innenfor usikkerhetsestimatet fra 2008, både når det gjelder anskaffelseskostnader og driftskostnader.» Den store nominelle økningen i anskaffelseskostnadene og den betydelige bekymringen man har sett for kostnadsoverskridelser i programmet i USA, har selvfølgelig også vekket komiteens bekymring. Når departementet og statsråden forsikrer Stortinget om at alt går etter planen, forutsetter vi at det er riktig. Dette er viktig for Høyre, fordi en stor kostnadssprekk på levetidskostnadene i et 30-årsperspektiv selvfølgelig vil kunne ha konsekvenser for driften av andre forsvarsgrener. Vi må ha kampfly, men vi må også ha penger til å drifte den øvrige forsvarsstrukturen. For det andre – og dette er det klart viktigste momentet for Høyre – informerer departementet om at utsettelse av beslutningen om anskaffelse av treningsfly vil kunne gå ut over beredskap og suverenitetshåndhevelse i en overgangsperiode mellom F-16 og F-35. Med andre ord: Ikke å melde inn bestilling av treningsfly i august vil forsinke leveransen og gi svekket beredskapsevne. Jeg siterer her fra svaret på spørsmål 14, fra Høyre, i vedlegg 3: «Utsetter vi beslutningen om anskaffelse av fly til 2012, betyr dette at det tidligste tidspunkt for levering av treningsfly blir i 2017.» En utsettelse av denne beslutningen til høsten 2011 ville uansett ikke vært aktuelt for Høyre. Det som var en vurdering fra vår side, var å utsette dette til våren 2012, når Stortinget får helheten i behandlingen av hovedanskaffelsen, basevalg og alle de andre elementene i langtidsplanen til behandling. Da vil all relevant informasjon foreligge, og da kan man også se anskaffelsen bedre i lys av langtidsplanen og oppdaterte levetidskostnader. Ideelt sett ville vi derfor ha behandlet denne proposisjonen da. Dette er Fastlands-Norges største investering noensinne, og også en delanskaffelse, som proposisjonen innebærer, fortjener en såpass grundig behandling. Likevel: Ifølge de svarene vi har blitt forelagt, ville det altså ha kunnet utsette innfasingen av F-35 så lenge at beredskapen ville blitt svekket. En periode med slik manglende beredskap er for Høyre ikke akseptabelt, og vi har på dette feltet ikke noe annet valg enn å legge departementets vurdering til grunn. Vi mener det ville vært uansvarlig å ta sjansen på en slik manglende beredskap, sjøl om det kun skulle dreie seg om en kort periode. Disse opplysningene jeg nå har nevnt, har vært en betingelse for at man fra Høyres side nå velger å støtte proposisjonen – heller enn å tenke seg at den skulle utsettes til neste sesjon. Etter flere runder med spørsmål, svar og høringer må vi legge til grunn at informasjonen Stortinget har fått, er korrekt og fullstendig, og at statsråden sjølsagt er ansvarlig overfor Stortinget for den informasjonen som er gitt. Anskaffelsen av til sammen 56 F-35 kampfly vil innebære at det norske luftforsvaret vil ha en toppmoderne høyteknologisk kapasitet på høyde med det aller beste i verden i mange år framover. Det er vårt ansvar som politikere på Stortinget og i departementet at overgangen mellom F-16 og F-35 vil gå så smertefritt som mulig og uten betydelige konsekvenser for beredskap og suverenitetshåndhevelse. Høyre vil gjøre det som er nødvendig for å få dette til, og det forventer vi også at Stortinget og regjeringa bidrar til. Eg viser til innstillinga og merknadene der når det gjeld dei spørsmåla som er til. Eg viser til innstillinga og merknadene der når det gjeld dei spørsmåla som er til behandling her i samband med investeringsproposisjonen, men eg vil knyte nokre fleire kommentarar til spørsmålet om kampfly. SV var mot det opphavlege vedtaket om å kjøpe F-35, men vi har halde oss til dei berekningane som viste at flyet kom best ut både på pris og kvalitet ut frå dei kriteria som var valde, og støttar det derfor i Stortinget. Vi meinte òg frå først av at det var sterke argument for å gjere heile innkjøpet samtidig. Som alltid diskuterer vi oss fram til eit felles standpunkt,

men eg trur at vi i dette spørsmålet må forsikre oss ekstra mot uventa kostnader og vere villige til å gjere det vi kan for å ha best mogleg kontroll på det. Særleg fordi vi må innrømme at vi i fortida har hatt mange forsvarsskandalar der pengane har løpt, og det har vorte langt større summar enn ein i utgangspunktet hadde berekna, må vi forsikre oss ekstra fordi dette er den største forsvarsinvesteringa gjennom tidene, og fordi det i alle fall framstår som uklart i den offentlege debatten, og ikkje minst svært uklart hos produsenten når det gjeld utviklinga og pris – og i produsentlandet USA. Så kan eg ikkje la vere å knyte nokre kommentarar til samanhengen eller – rettare sagt – den fullstendige mangelen på samanheng mellom det opposisjonen seier frå talarstolen, det dei skriv i innstillinga, og det dei varslar at dei har tenkt å stemme. Først: Representanten Eriksen Søreide seier at den opphavlege proposisjonen var «utilgjengelig», veldig mangelfull, «helt ufullstendig», og vidare står det at departementet «har unnlatt å gi informasjon som burde vært gjort tilgjengelig for Stortinget allerede i proposisjonen». det: «For et innkjøp som binder oss i enda sterkere grad enn før til Fastlands-Norges største investering noensinne, fremstår for disse medlemmene» – altså frå Høyre og Kristeleg Folkeparti – «to sider svært mangelfullt.» Høgre og Kristeleg Folkeparti meiner at ei slik saksbehandling frå departementet si side i ei så viktig sak ikkje er tilfredsstillande. Så langt om saksbehandlinga. Så om innhaldet. Representanten Ellingsen bruker uttrykka «skummelt» og

før opposisjonen faktisk meiner at dei vil stemme imot å bruke 4,8 mrd. kr? Desse merknadene er jo ein massiv kritikk av saksbehandling og innhald, som ein så etterpå vel å stemme for og ta ansvaret for. Det skulle vere interessant å vite om det er noko anna som opposisjonspartia i komiteen er villige til å bruke 4,8 mrd. kr på, som dei finn «utilfredsstillende», «lite gunstig», «ikke tilfredsstillende», «utilgjengelig», «svært mangelfullt», «ufullstendig», «skummelt» og «uansvarlig»? Eg avsluttar med å seie seie at vi må følgje den økonomiske utvikla når det gjeld kampflyprosjektet, tett i det vidare. Det vil vere ekstremt viktig å halde fokus på at ein opererer med ei samla kostnadsramme for å få prosjektet i hamn. Moderniseringen av Forsvaret er

er et vitalt ledd også i den framtidige forsvarsstruktur. Vi må anskaffe nye kampfly til avløsning av dagens F-16 før disse går ut på dato. Og nedvalget av flytype er gjort. Valget falt på det nye F-35-flyet, som er under utvikling hos Lockheed Martin. Stortinget gjorde dette nedvalget ut fra klare anbefalinger. Det var ikke bare slik at regjeringen hevdet at F-35 var best og billigst. Den faglige vurdering av de to flyalternativene som var med i sluttfasen, ga ikke rom for tvil.

Det er derfor bekymringsfullt at utviklingen av Lockheed Martins kampflyprosjekt F-35 er blitt flere år forsinket og dyrere enn planlagt. Vesentlige kostnadsøkninger og utfordringer er kommet fram gjennom undersøkelser gjort av amerikanske myndigheter. Kristelig Folkeparti mener at disse kritiske vurderingene ikke er reflektert på en rimelig måte i den foreliggende investeringsproposisjonen. Det synet deles av flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen. I den foreliggende investeringsproposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til å kjøpe inn de fire første kampflyene av typen F-35 – innenfor en kostnadsramme på 4,8 mrd. kr. Prislappen på anskaffelsen av alle de planlagte 56 flyene er steget til 61 mrd. kr – kanskje 72 mrd. kr om usikkerhetsmarginen må brukes fullt. I tillegg kommer årlige base- og driftskostnader gjennom flere tiår. I proposisjonen utgjør omtalen av de fire aktuelle kampflyene for treningsformål mindre enn to sider. Det holder ikke. Stortinget så seg derfor nødt til å ha en egen høring og stille mange titalls skriftlige spørsmål om kampflysaken. Det er vår oppfatning at vi tross dette står igjen med flere ubesvarte spørsmål. Et oppdatert anslag for levetidskostnader for F-35-prosjektet har ikke blitt forelagt komiteen. Implikasjonene for Luftforsvarets øvrige struktur kan statsråden ikke si noe Det beste hadde da vært om beslutningen kunne vært tatt neste vår. Da ville både et oppdatert anslag for kampflyprosjektets levetidskostnader og den neste langtidsplanen for Forsvaret foreligge. En slik utsettelse av beslutningstidspunktet har statsråden avvist, idet hun har hevdet at det ville ha to alvorlige konsekvenser. For det første: Norge kan ikke få levert treningsfly før i 2017, dersom Stortinget ikke gjør vedtak nå, og bestillingen gjøres i høst. Samme tidsfrist gjelder andre partnerland. For det andre: Får vi ikke treningsfly før i 2017, forsinkes treningen av piloter til de nye flyene. Det kan medføre at kampflyvåpenets operative evne i en overgangsfase går under et visst nivå, og Norges evne til å hevde sin suverenitet vil bli betydelig svekket. Det siste anser vi som meget alvorlig. Kristelig Folkeparti må derfor ta statsrådens svar på dette punkt til etterretning. Ut fra dette vil vi støtte et vedtak om å anskaffe de fire treningsflyene, selv om beslutningsgrunnlaget langt fra er tilfredsstillende og burde vært bredere anlagt på de to punktene jeg har nevnt. For øvrig er det slik at komiteen har måttet gjøre mye av den jobben som departementet ikke hadde gjort i proposisjonen, for å framskaffe opplysningene. Det er nettopp det som er poenget, som flere talere fra opposisjonen har framholdt. Til SVs parlamentariske leder må jeg si at hvis SV angriper opposisjonen og Kristelig Folkeparti for å være kritisk til beslutningsgrunnlaget, men støtter kampflykjøpet, er det bare én ting å si: Det må være uttrykk for en indre forvirring i SV på grunn av at partiet nå står med regjeringsansvar for å foreslå første skritt i tidenes største norske kjøp av amerikanske kampfly med tilhørende bomber og raketter. Det er også grunn til å minne om at det er den rød-grønne regjeringen, herunder SV, som har hevdet at det kan svekke Norges beredskap og vår evne til å hevde norsk suverenitet, hvis ikke Stortinget her og nå vedtar å kjøpe de fire første amerikanske kampflyene av Når SV står ansvarlig for å foreslå en kampflyinvestering som overgår alle tidligere våpeninvesteringer, burde kanskje SVs parlamentariske leder gå litt stillere i dørene – og heller gå i seg selv enn å gå etter andre.

Faktisk er det slik at saksordføreren synes at det er viktig å påpeke at det også er mye annet som er omtalt i innstillinga og ikke bare jagerflykjøp, og brukte tida på det i starten da han skulle presentere de to A3-arkene. Venstre har også lest høringa, og spørsmålene som komiteen har stilt. Jeg skjønner at de har måttet gjøre det. Venstre støtter at man skal kjøpe nye jagerfly. Vi har også støttet at man skulle gjøre det i kompaniskap med amerikanerne, men vi mener at før man fatter et endelig valg, må prislappen være klarere, og statsråden må kunne svare klarere. Vi støtter mange av de merknadene som står i innstillinga. Dette er kanskje den største investeringa vi i det

og det burde vært sett i en helhet, før man fatter vedtakene. Som sagt, Venstre støtter flykjøp. Vi støtter også valg av leverandør, men vi er usikre på om det antallet vi har snakket om, er riktig. Og vi er veldig kritiske til prosessen. Slike investeringer må ses i helhet og i forkant, og vi må være sikrere når det gjelder pris. Jeg må innrømme at jeg tror ikke at hadde vært i stand til å fatte et slikt vedtak som vi fatter i dag, hvis det ikke hadde vært for at vi er et av verdens rikeste land. En hvilken som helst annen nasjon måtte ha vært mer forsiktig med pengene sine. Som vi ser f.eks. i de andre nabolandene, som har valgt samme leverandør, så har de valgt andre og mye breiere prosesser. I Danmark har man inngått et forsvarsforlik på 33 sider. De brukte mer enn to A3-ark for å bli enige om framtida for forsvaret sitt. Ettersom dagen i dag står litt i forlikenes tegn, må jeg si at jeg også hadde ønsket at et så bredt forlik og en så god behandling på forhånd kunne ha vært utgangspunktet. Så for å si det enkelt: Jeg er enig i alle de merknadene som representanten Solhjell refererte. Derfor fremmer vi det forslaget vi fremmer i dag, om å få en utsettelse, for å få en helhet i innkjøpet og for å se det i forhold til alle forsvarsinvesteringene. Ja, det er slik at statsråden har sagt at vi kan risikere at vi ikke klarer å opprettholde en tilfredsstillende beredskap, men fordi det er et «kan» her, og fordi mye av den andre informasjonen vi får, også er så uklar, er vi ved kjernen av problemet, nemlig at informasjonen ikke er god nok. Derfor velger vi heller ikke å ta ansvar for dette innkjøpet her i dag, og jeg fremmer med dette forslaget som er omdelt i salen. Representanten Trine Skei Grande har fremmet det forslaget hun refererte til. Som vi alt har hørt, ble det for drøyt 30 år siden i denne sal tatt en stor og

og dermed en hensiktsmessig overgang mellom F-16 og F-35. Derfor er jeg glad for at et enstemmig storting ser ut til å støtte denne anskaffelsen. Vårt land trenger en konfliktforebyggende terskel, et forsvar som markerer nasjonal suverenitet. Dette har vært en hovedlinje i norsk sikkerhetspolitikk siden annen verdenskrig. Uten et moderne kampflyvåpen vil vi svekke denne evnen og ikke gi neste generasjon samme beskyttelse som F-16 har gitt oss. F-16 går nå inn i sitt siste tiår. Det ville være ulikt Det norske storting å lukke øynene for et slikt faktum. Den prosessen som startet tidlig på 1990-tallet, når en hovedmilepæl neste år når Stortinget skal ta stilling til hovedanskaffelsen av nye kampfly. I det offentlige ordskiftet de siste uker har debatten dreid seg om tall. Enkelte debattanter har også forsøkt å sette forsvarsgrenene opp mot hverandre, med påstand om at F-35 vil så å si ødelegge økonomien for de andre forsvarsgrenene. Norge klarte i 1980 å ta imot 72 fly, og et samlet forsvar har driftet dem i 30 år. Nå planlegger vi for hvordan den nye anskaffelsen skal gjennomføres. Hæren trenger et luftforsvar med moderne kampfly, Luftforsvaret trenger Det er en god nyhet for hele Forsvaret at vi evner å skifte ut F-16. Regjeringen planlegger å legge fram et grundig og omfattende beslutningsgrunnlag før Stortinget skal ta stilling til hovedanskaffelsen neste år. Fokus på kostnader er viktig, og jeg vil takke komiteen for den åpne høringen og også de mange gode spørsmål i prosessen. Det har bidratt til å gi et forsterket og mer detaljert beslutningsgrunnlag for anskaffelsen av de fire første flyene.

Valg av baseløsning for kampflyene, valg av vedlikeholdskonsept og valg av treningskonsept gjenstår og vil alle påvirke levetidskostnadene. Først når disse spørsmålene er avklart, har regjeringen grunnlag for å legge fram en oppdatert levetidskalkyle. Denne vil selvsagt bli eksternt kvalitetssikret og inngår i det grunnlaget Stortinget vil få seg forelagt våren 2012 knyttet til den nye langtidsplanen for Forsvaret, hvor også den totale kampflyanskaffelsen skal besluttes. Noen forsøker å skape et bilde av en galopperende prisøkning for F-35. Det er ikke riktig. Det oppdaterte bildet viser at de totale anskaffelseskostnadene er økt med om lag 2 pst., sammenlignet med hva vi la fram for Stortinget i vil således koste 1 mrd. kr mer i innkjøp enn det vi planla for i 2008/2009. Utviklingen av Joint Strike Missile, i et nært samarbeid mellom Forsvaret og industrien, er et av de viktigste norske våpensystem til F-35. Det har også et betydelig industrielt markedspotensial. Den politiske målsettingen er at industrisamarbeidet skal gi en verdiskaping i Norge av samme størrelsesorden som anskaffelseskostnaden. anskaffelseskostnaden. Jeg er glad for at også Stortinget har understreket betydningen av å realisere industripotensialet. Avslutningsvis vil jeg si at jeg er glad for å kunne registrere at en enstemmig utenriks- og forsvarskomité slutter seg til etableringen av nye stasjoner for grensevakten i Sør-Varanger, bygging av nye befalsforlegninger og en fritidsmesse på Jørstadmoen, og en økning av kostnadsrammen for Logistikkprosjektet i

måten høringen ble gjennomført på, mener statsråden at Stortingets krav om mer informasjon var urimelig, og at Stortinget burde vært innforstått med alt og funnet ut av det selv gjennom proposisjonen? Jeg synes vi har hatt en god prosess om denne viktige saken, og jeg har vært glad for både høringen og anledningen til å utdype sider av flykjøpet knyttet til de spørsmål som er stilt. Jeg har likevel også vært opptatt av å få fram at vi har hatt en robust kostnadskalkyle som viser seg å holde godt mål, selv om vi altså ser en liten kostnadsoverskridelse som er beregnet til drøye 2 pst. Det vil være

Ja, her har regjering og storting en felles ambisjon, som vi bruker mye kraft på å bidra til å gjennomføre. Det er kjent at det er såkalt «best value»-prinsippet som ligger til grunn for industriprogrammet, og derfor har vi vært offensive fra regjeringens side med hensyn til også å bidra til å vise fram norske leverandører og hva de kan bidra med inn i prosjektet. Så langt har norske leverandører faktisk faktisk hatt god suksess. Vi har kontrakter inne for større beløp enn hva den norske stat så langt har utbetalt. Men jeg vet det her ligger en viktig og krevende jobb foran både norsk industri og regjeringen. Her vil vi være aktive for å sikre at

av mangelfull saksbehandling, og at komiteen rett og slett har gjort departementets jobb med å få frem faktaopplysninger i saken. Det er en kritikk som statsråden hittil har valgt ikke å kommentere. Men mest kritisk har faktisk et av regjeringspartiene selv vært, altså en virkelig insider i prosessen som sågar overgår opposisjonen galant med å forlange granskning, og som burde få ethvert medlem av Stortinget til å få alle varsellamper til å blinke. Hva er statsrådens svar til denne insideren som rett og slett forlanger en granskning av den mangelfulle prosessen? Jeg er ikke enig i at vi har drevet mangelfull saksbehandling, men jeg har vektlagt det gode samarbeidet som har vært mellom departement og komité om å få fram detaljert informasjon. Så har vi hatt en diskusjon om hvilke priskalkyler det er mulig å få fram på dette tidspunktet. Der har jeg stilt spørsmål både knyttet til levetidskostnadene og basevalg. Hvilke alternative kalkyler er det egentlig opposisjonen har sett for seg at man skulle kunne lagt fram på dette tidspunktet, gitt at en del av de sentrale valgene ennå gjenstår? Det er en selvsagt ting både for SV og for regjeringen at slike store prosjekter gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Det ligger i det systemet som regjeringen følger for disse store prosjektene, og det vil selvsagt også skje i dette tilfellet. Statsråden sier i sitt svar til representanten Ellingsen at det har vært en god prosess. Det har det overhodet ikke vært. Dette har vært en svært mangelfull prosess. Det er fristende å stille statsråden det enkle spørsmålet: Hvorfor tror statsråden at Stortinget i sin behandling etter høringen og etter å ha lest proposisjonen stilte et syttitalls spørsmål for å få svar? Det er åpenbart ikke fordi det har vært en god prosess. Så jeg håper at statsråden ikke var seriøs da hun brukte uttrykket «en god prosess». Jeg håper statsråden går tilbake på det

Dette var også mye informasjon som ble lagt ut på departementets hjemmesider samme dag som proposisjonen ble lagt fram. Men grunnen til at jeg har vært glad for både høringen og de etterfølgende spørsmålene, er at jeg synes det er viktig og riktig å dokumentere også den informasjonen i tilknytning til Stortingets behandling av saken når komiteen har ønsket det. det. Dette er som sagt gjennomføring av en stor beslutning som ble fattet i 2009, og som vil bli fulgt opp også med den totale flyanskaffelsen neste år, og hvor det derfor fra min side er lagt opp til en detaljert og bred gjennomgang, ikke minst av økonomien i den store

og det er vel og bra. Men dette betyr at komitéflertallet gir statsrådens departement stryk når det gjelder informasjonsgrunnlaget til Stortinget i denne saken. Det hjelper ikke å henvise til hjemmesidene til departementet. Det er ikke der Stortinget henter sin informasjon. Det er i det framlegget regjeringen gjør overfor parlamentet. Derfor må jeg spørre, siden dette ikke er første gang; dette skjedde også da saken ble lagt fram i 2008: Vil statsråden sørge for at departementet for framtiden legger fram investeringsproposisjoner med et helt annet grunnlag og mer informasjon til Stortinget enn det som har vært tilfellet i denne saken? Mye av diskusjonen har knyttet seg til hvilke kalkyler det er mulig å legge fram, ikke minst knyttet til levetidskostnadskalkylene. I og med at verken regjering eller storting har gjort beslutning om basevalg, om vedlikeholdskonsept, om treningskonsept, har vi valgt å holde fast ved den levetidskostnadskalkylen som ble lagt fram i 2008, og selvsagt informert om at denne vil bli grundig revidert og lagt fram i sin fulle bredde i tilknytning til langtidsproposisjonen neste år. For meg er det viktig at den informasjonen som Stortinget ber om, selvsagt kommer fram, og også at dette har vist seg å bekrefte at de kostnadskalkyler som var gjort forut for framlegget i 2008, har vært robuste, og at vi heldigvis så langt har vist oss i stand til å kunne både planlegge og unngå å få de store overraskelsene.

Lockheed Martin om leveransene av de nye kampflyene, hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at eventuelle overskridelser utover det hun er kjent med i dag, vil bli dekket av selger og ikke av kjøper? De kontraktene som inngås i januar 2014, er forventet å være fastpriskontrakter. Vi planlegger selvsagt for kontrakter som har forpliktelser godt innenfor de anslag som er gitt i proposisjonen,

da vi egentlig la føringene for og valgte hvilken flytype osv. vi skulle anskaffe. Det er veldig viktige beslutninger vi gjør, det er veldig fremtidsrettede beslutninger. Jeg tror det er mange land som misunner oss, at vi er i stand til økonomisk å kunne foreta valg av så effektive og så fremtidsrettede fly for å styrke vårt forsvar og ivareta vår suverenitet. Det skaper også en solid troverdighet i NATO og blant våre alliansepartnere at vi nå fremstår som det landet med det mest representative, effektive og moderniserte forsvar i verden. Det synes jeg også vi skal ha med oss i denne saken. Det stilles nå en del spørsmål omkring økonomien, om informasjon men regjeringen har fulgt opp dette på en utmerket måte overfor Stortinget. Nå er det også gjennomført endringer i det flernasjonale utviklingsprogrammet for F-35, og det har medført forsinkelser. Det påvirker også det norske F-35-programmet, selvfølgelig. Men anskaffelsen av fire F-35 treningsfly for leveranse i 2016 med påfølgende hovedleveranse av nye kampfly i 2018 er for leveranse i 2016 med påfølgende hovedleveranse av nye kampfly i 2018 er nettopp for at vi skal ha en hensiktsmessig overgang. Vi skal trene opp personellet osv., slik at vi er fullt kapable i denne overgangsfasen. Det er med på å sikre en mest mulig fleksibel, kostnadseffektiv og rasjonell overgang mellom F-16 og og vi skal tross alt ha 56 fly, de beste i verden. Dermed opprettholder vi også en tilfredsstillende kampflykapasitet i overgangsfasen mellom disse to flytypene. Vi har store ambisjoner i nordområdene. Vi skal opprettholde aktiviteten der, og det er også snakk om eventuelle utvidelser i fremtiden.

punktene her er en rekke interessante ting. Jeg vil da nevne nasjonalt kompetansesenter for helikopter. Allerede i april 2005 var det fire meget fremsynte kvinner og menn i Stortinget, nemlig Marit Nybakk, Gunnar Halvorsen, Tore Nordtun og Marit Arnstad – noen av dem befinner seg i salen i dag – som fremmet et forslag fremmet et forslag om et kompetansesenter og en simulator for helikopter i Norge. Det blir det nå. Komiteen den gangen gjorde en god innstilling til saken. Dette skulle følges opp. Seks år etter, i denne innstillingen, ligger det nå et slikt nasjonalt kompetansesenter med simulatoraktivitet for helikopter. Det sies i meget positive vendinger at dette vil vi være med og følge opp sammen med industrien i Rogaland og på Sola. Det gis nå et meget viktig, fremtidsrettet signal, og staten vil også være med på å bidra til at et slikt stort europeisk kompetansesenter nå blir opprettet. Dette gjelder ikke bare for den militære siden og internasjonal trening og vedlikehold – dette gjelder i aller høyeste grad også for den aktiviteten som er på norsk sokkel innenfor olje- og Dette gjelder ikke bare for den militære siden og internasjonal trening og vedlikehold – dette gjelder i aller høyeste grad også for den aktiviteten som er på norsk sokkel innenfor olje- og gassindustrien, som krever mye større sikkerhet og treningsmuligheter for det personellet som gjør sin tjeneste i den industrien. Jeg er

avventet en proposisjon fra regjeringen om utskifting av flyene, innkjøp av testfly og et kostnadsoverslag for hva som blir den samlede prisen for 56 jagerfly. Vi kommer til å stemme for regjeringens forslag og utenriks- og forsvarskomiteens enstemmige innstilling her i dag. Det gjør vi fordi vi mener det er riktig å skifte ut flyene. Det gjør vi fordi vi mener at Norge trenger et solid luftforsvar som sammen med marine og hær skal sørge for Norges evne til å forsvare seg selv, og som skal kunne delta i internasjonale operasjoner i lang, lang tid fremover. Men vi ble skuffet den 6. mai i år da regjeringens forslag kom – med en elendig fremstilling, en syltynn begrunnelse og med elementer som skapte mer usikkerhet rundt dette saksforholdet enn det skapte avklaringer. Derfor fikk vi høringen, derfor fikk vi, som representanten Myrli var inne på, en stor runde i media om dette, ikke minst med utgangspunkt i Aftenpostens leder tirsdag den 7. juni, altså dagen etter høringen, under overskriften «Katten ut av sekken». Det som både Aftenposten og andre av oss har satt spørsmålstegn ved, er

på Gripen NG med sammenlignbar konfigurasjon.» Tilbudet fra SAAB var på 20 mrd. kr, garantert av den svenske stat. I dag snakker vi altså ikke om 20 mrd. kr, eller de 18 mrd. kr som det er opplagt at regjeringen og stortingsflertallet siktet til i 2008–2009 – altså 18 mrd. kr. Det som skaper usikkerhet, og det som skaper forvirring, hevder at når prisen på 18 mrd. kr fra 2008 nå er blitt 72 mrd., er det en overskridelse på 1 mrd. – 18 pluss 1 er altså 72, mener regjeringen. Det er altså 72 mrd. kr vi nå skal ta stilling til. Innstillingen fra komiteen er at vi skal gi gi Forsvarsdepartementet i oppdrag å starte investeringsprosjektet innenfor de gitte kostnadsrammene, som altså er 72 mrd. kr, for flyene. Vi fikk i dag vite av statsråden at flykjøpet vil bli basert på fastpriskontrakter. Jeg kunne jo spørre: Hvorfor sa hun ikke det under høringen? Men jeg skal avstå fra det. Vi fikk et helt annet innspill fra en stortingsrepresentant fra regjeringspartiene, nemlig representanten Solhjell, som mante til forsiktighet, og sa at vi nå må følge prisutviklingen nøye. Det skal være en prisutvikling, da, og ikke en fastpriskontrakt? Det er altså stadig usikkerhet rundt dette. Jeg vil konkludere med at Fremskrittspartiet stemmer for innstillingen, ikke fordi vi synes den er glitrende god, men fordi denne saken er så viktig at vi er nødt til å ta denne beslutningen i dag, selv om regjeringen selv har skapt en usikkerhet rundt dette som gjør at regjeringen har seg selv å takke for at situasjonen rundt denne beslutningen har blitt slik den har blitt.

JSM. Det gjør jeg jo fordi industrielle leveranser for norsk industri i forbindelse med kampflykjøpet er svært viktig. Fra Arbeiderpartiets side vil vi nok en gang understreke betydningen av at den industrielle verdiskapingen i tilknytningen til anskaffelse av nye fly må være i samme størrelsesorden som anskaffelseskostnadene. Når vi i dag vedtar å gå videre med fase 2 av JSM – Joint Strike Missile – fatter vi en beslutning som kan føre til et nytt industrieventyr for Norge. For det første kan det å legge til rette for at det norske forsvaret kan ha et missil som ingen andre foreløpig kan overgå i sin klasse, og for det andre at det missilet har sjanse til å bli integrert på flyet slik at partnerlandene velger å kjøpe JSM sammen med F-35, gi oss en teknologiutvikling som gjør det mulig fortsatt å ha forsvarsindustri i høyteknologisk verdensklasse her oppe på berget. Jeg er glad for at det er en enstemmig komité som har valgt å støtte regjeringens forslag om en drøy

så langt har kontrakter om leveranse av deler til selve flyet, kan JSM generere over 100 underleverandører betydelig arbeid i flere tiår hvis Norge lykkes med å fremme JSM til partnerlandene i kampflyprosjektet. Dersom integrasjonen av JSM ikke lykkes, vil prosjektet avsluttes etter fase 2. Jeg håper selvfølgelig at dette ikke blir en realitet. Norge er godt posisjonert, ikke bare fordi det er avdekket et behov for den men også fordi det amerikanske forsvaret er i ferd med å velge leverandør av nytt missil samt at andre partnerland også har vist interesse. Det er svært positivt at vi har en regjering som står på for å bistå norsk forsvarsindustri med både penger, eierskap og politisk påvirkning, slik at det er mulig for en liten forsvarsindustri som vår å lykkes med å selge til andre land i et marked som Samtidig har vi et svært strengt regelverk for eksport av forsvarsmateriell, og vi har god kontroll med den eksporten. USA kjøper faktisk hele 98 pst. av alt sitt forsvarsmateriell av seg selv. Det er derfor et tegn på svært høy kvalitet når f.eks. norsk luftvern kjøpes inn for å bevokte luftrommet over Capitol Hill og Det Kjøp av nye kampfly er såkalt «best value»-prosjekt. Det betyr at vi ikke kan stille krav om gjenkjøp, som vi normalt gjør i forbindelse med forsvarsanskaffelser. Likevel er vi opptatt av å sikre industrikontrakter tilsvarende anskaffelsesverdien. Det har i lang tid vært jobbet sammen med industrien, godt forankret i både stortingsmeldinger om samarbeid mellom Forsvaret og industrien og og en egen strategi knyttet til dette kjøpet for å posisjonere norske bedrifter. Dette er viktig. I tillegg brukes generelle, vanlige næringspolitiske virkemidler også overfor forsvarsindustrien. I min hjemby, Kongsberg, ser vi resultater av regjeringens politikk bl.a. gjennom en ny komposittfabrikk. Gjennom Joint Strike Missile vil industrideltakelsen på norsk side øke til over 20 bedrifter. Forsvarsdepartementet godkjente i tillegg høsten 2010 Nammos videre utvikling av ammunisjon til F-35. Samtidig er det viktig å understreke at de store industrilokomotivene våre, som har kontrakt og kanskje får kontrakter nå knyttet til F-35, har et ansvar for å dra med seg små og mellomstore norske underleverandører også i den teknologiutviklingen som dette gir muligheter for. Det må komme også underleverandørene til gode, ikke bare de store industrilokomotivene. Det er identifisert muligheter tilsvarende ca. 70 mrd. kr over produksjonstiden til F-35. Det er helt nødvendig at både industrien og norske myndigheter presser på både Lockheed Martin og amerikanske myndigheter for å kunne realisere dette potensialet. Her forventer Arbeiderpartiet at regjeringen følger opp det som nå er et enstemmig stortings forventning om oppdrag til norsk industri.

av type kampfly ble fattet av Stortinget for ett år siden, og som eneste parti var Fremskrittspartiet skeptisk til prosessen. Fremskrittspartiet foreslo den gang at saken skulle sendes tilbake til regjeringen for bedre utredning. Vi ser i ettertid hvor nødvendig det var med tanke på alt det rotet som har oppstått. Derfor er det ikke overraskende at vi også i denne saken er bekymret over utredningen og prosessen rundt kjøpet av fire Vi foreslo også at denne delen av proposisjonen skulle behandles først til høsten. En av grunnene til vår skepsis til fremdriften i denne anskaffelsen er at regjeringen har fremskyndet prosessen sett i lys av det løp som er beskrevet i Innst. S. nr. 299 for 2008–2009. Slik vi leser og tolker dette, ligger det her ingen føringer som tilsier at vi skal anskaffe fire treningsfly utenom det normale kontraktsforløpet. Derimot ser vi at regjeringen uttaler følgende: «En bestilling av treningsfly nå vil stadfeste vår troverdighet som partner og kunde i det flernasjonale F-35-samarbeidet. Dette er ikke minst viktig for å sikre norsk industri oppdrag knyttet til anskaffelsen.» Dette er sikkert et godt poeng, men det forklarer ikke hvorfor tidslinjen er endret. Det er av regjeringen skapt forvirring ved kostnadene knyttet til

Derfor må vi kunne stille spørsmål ved kostnadsutviklingen og driftsutgiftene for å forsøke å få et bilde av hvor mange skattekroner som vil gå med til denne anskaffelsen. Fremskrittspartiet vil følge kampflyanskaffelsene nøye også i tiden fremover og være en pådriver for å få en så grundig prosess som overhodet mulig. Proposisjon 110 S for 2010–2011 om investeringer i Forsvaret svarer etter min oppfatning til en rekke behov for Forsvaret. Norge er få en så grundig prosess som overhodet mulig. Proposisjon 110 S for 2010–2011 om investeringer i Forsvaret svarer etter min oppfatning til en rekke behov for Forsvaret. Norge er ofte omtalt som Schengens yttergrense, og da er det grensen mellom Russland og Norge jeg vil omtale. Grensevakttjenesten forvaltes av Norges Grensekommissær. Politimesteren i Øst-Finnmark har det juridiske ansvaret, og Forsvaret har den operative delen med begrenset politimyndighet. Undertegnede og representanten Myrli, saksordføreren, var for nærmere bestemt på Svanvik grensestasjon og på grenseovergangen på Storskog i Pasvik. Tilbakemeldingene fra grensekommissæren og fra politimesteren på Forsvarets operative evne var svært positive. Forsvaret gjør i dag en svært profesjonell jobb i sin håndhevelse av grenseavtalen med Russland. Forsvaret patruljerer hele grensen daglig, og den er under konstant observasjon fra ulike utkikksposter langs grensen. Svanvik grensestasjon er en stasjon som ble bygget på 1950–1960-tallet. Tilbakemeldingen fra NK på Garnisonen i Sør-Varanger var at grensestasjonens kapasitet, fasiliteter og funksjonalitet i forhold til dagens standard, ikke lenger er tilstrekkelig. Omvisningen vi fikk på grensestasjonen, viste dette klart, og bygget det her er snakk om, framstår som svært trangt og dårlig egnet for grensejegerne som bruker denne stasjonen daglig. Det som bruker denne stasjonen daglig. Det er derfor svært gledelig at regjeringen ønsker å komme i gang med å bedre forholdene for grensejegerne. Forslaget om å erstatte de seks relativt små grensestasjonene med to større, en nord på grensen, den andre sør, er svært bra. Målene med de nye grensestasjonene er å ha bygg som er bedre tilpasset grensetjenestens behov. Byggene skal bl.a. ha egen kennel og være bedre forlegninger for soldatene, som i dag har langt mer utstyr enn hva man hadde for

der man ikke benytter Pasvikelva. Den andre er hensynet til naturen, og de sår som motorisert ferdsel påfører naturen. Selv om Garnisonen i Sør-Varanger skjøtter sine oppgaver svært godt i dag, er det fra min side håp om at man kommer i gang med nybyggingen snarest mulig. Jeg er derfor glad for at investeringer på 268 mill. kr blir lagt fram for Stortinget i dag. Kanskje man da vil være i stand til å komme i gang med byggingen allerede til høsten. da vil være i stand til å komme i gang med byggingen allerede til høsten. La oss så langt ut i debatten bare slå fast at det er full enighet om at Norge trenger nye kampfly. Min gode kollega Jan Arild Ellingsen sa: Nå er all tvil borte. Det var kloke ord, og jeg håper han taler på vegne av hele partiet sitt. Han var sterk og klar i sitt innlegg, og jeg hadde egentlig håpet at representanten Ellingsen ikke var på reise i Afghanistan i forrige uke, sjøl om det sikkert var svært interessant og lærerikt, men at han i stedet hadde vært i Stortinget og sagt det samme til partifellene sine, da vi i forrige uke behandlet saken i komiteen. Så sa Ellingsen også at bordet fanger. Men det er vel ingen uenighet om hvorvidt vi skal kjøpe F-35. Dagens vedtak om de fire rokker vel ikke ved det Stortinget tidligere har vedtatt, at vi skal kjøpe F-35. Vi skal vel ikke ha noen omkamp på den beslutningen? Debatten i dag dreier seg ikke om flyvalg. Debatten i dag dreier seg om vi skal få de første flyene i 2016, i 2017 eller i 2018. Jeg har ikke hørt noen i dagens debatt si at vi ikke skal kjøpe Dagfinn Høybråten nevnte bekymringen i USA for økningen i utviklingskostnadene i F-35-programmet. Ja, den bekymringen i USA skjønner jeg godt, for de ekstra kostnadene som er påløpt i utviklingsprogrammet, skal dekkes av USA. Vi skal ikke være med på å dekke de kostnadene. Vårt beløp til utviklingsprogrammet ligger fast – 125 millioner US dollar.

Kanskje noen kunne stilt spørsmål om hva som er og har vært Aftenpostens agenda i kampflyspørsmålet. Etter min oppfatning har man drevet direkte kampanjejournalistikk til fordel for den konkurrenten som ikke var i stand til å levere fly som oppfylte de krav som ble stilt til de nye

og en prosess i gang – for å få slankere dokumenter fra regjeringen til Stortinget. Det var så mye å lese at man gjerne ville ha litt mer effektiv kommunikasjon. Det var noen som den gangen advarte mot at det kunne bli for tynt, og at det ville føre til en utstrakt brevveksling mellom regjering og storting. Det er selvsagt slik at det når Stortinget mener at det har det nødvendige beslutningsgrunnlag, på samme måte som representanten Skovholt Gitmark også må godta at det er statsråden selv som må få avgjøre om hun synes prosessen mellom storting, komité og henne selv har vært god eller ikke. Men i denne saken finnes det altså også spørsmål som det ikke er mulig å gi svar på i dag, slik som levetidskostnader, som i stor grad avhenger av basevalg og vedlikeholdskonsept. Det vil være viktige faktorer som vi først skal ta stilling til neste år. Derfor må denne beslutningen tas i avveiningen mellom å akseptere en viss usikkerhet om beregningene fra to år tilbake holder godt nok, eller om vi skal risikere kluss i vekslingen mellom F-16 og F-35 – og risikere svekket beredskap i en periode. Så langt viser altså beregningene at tallene fra 2008 står seg godt. Jeg tror Peter N. Myhre burde studere de omfattende svarene fra departementet litt grundigere, ut fra de tallene han opererte med i sitt innlegg. Det er også muligens slik at de viktigste faktorene for å påvirke levetidskostnadene vil vi ha hånd om selv, nemlig basevalg og er det ikke mulig å argumentere eller skrive seg vekk fra det ansvaret som alle nå må være med og ta for det vedtaket vi gjør. Jeg går også ut fra at opposisjonspartiene vedstår seg ansvaret for den avveiningen de er med på å gjøre mellom de to hensynene vi må ta i kveld. kveld. Man må selvsagt basere seg på de beregningene og de vurderingene som departementet og statsråden har lagt fram – det ligger i sakens natur – men vi må alle være med og ta ansvaret for at vi velger å ta beslutningen i dag, for ikke å risikere noe vi ikke vil ha om noen år. Det må vi stå for – eller for å sitere Fremskrittspartiets hovedtalsmann: Det handler om å

flyvalget var avgjort – det var liksom ikke noen problemstilling, for det vedtaket var gjort tidligere. Det er mulig at jeg tar feil, men jeg har også hatt en forståelse av at et vedtak her bare gjaldt til neste vedtak var gjort. Det er vel et faktum at både regjeringer og storting har skiftet standpunkt underveis i en sak. Eller har jeg misforstått? Det kunne være interessant å høre om det er slik at alt Stortinget og regjeringen gjør, er absolutt. Det tror jeg dessverre ikke er sant. For i så fall: Hvorfor er vi da bekymret for kontraktene til industrien? Hvis dette løpet er gjort, kan vi da bekymre oss for det? Da er det ikke noe problem lenger, for da har vi gjort valget: Vi skal ha dem uansett, uavhengig av kostnader og hele pakka. Det tror jeg egentlig ikke man vil. Jeg tror man ønsker å være hands on når det gjelder både økonomi og flere ting. Til representanten Gustavsen: Ingenting ville vært bedre enn om vi kunne få kontraktene her i landet, at vi kunne få leveranser tilsvarende kjøpet – det deler jeg fullt ut. Det ville vært perfekt og flott. Men utfordringen er, som representanten selv sa, at vi har en «best value»-situasjon. Vi kan altså ende opp med at vi ikke får det. Og hva er svaret da? Jeg oppfattet at statsråden ikke svarte på mitt spørsmål til henne om det tidligere i dag. Så da er jeg tilbake til der saksordføreren var: Vi har tatt valget. Vi skal ha flyene koste hva det koste vil, og de forbeholdene som vi har tatt, har variabel substans. Så til SVs parlamentariske leder, som jeg registrerte var bekymret for Fremskrittspartiets holdning: Vi har altså tatt det ansvaret, som representanten Svein Roald Hansen var inne på. Vi ser at flyet går nå, for å si det på den måten. Vi skal være medansvarlige og si ja til å kjøpe de fire flyene. Jeg registrerer at SVs parlamentariske leder ikke kommenterer at han da har hatt det ærefulle oppdrag å sørge for at SV som regjeringsparti bidrar til å styrke amerikansk forsvarsindustri tungt. Det er jo en gledens dag for dem av oss som synes at det er smart. Så til statsråden: Statsråden prater om velvilligheten mellom regjering og storting. Ja, den velvilligheten skyldes altså primært Stortingets ønske om å få mer fakta på bordet fordi det var mangelfullt. Så sier statsråden noe som jeg ble fascinert over. Hun sa: Da man fremmet proposisjonen for Stortinget, la man ut masse informasjon på FDs hjemmeside.

Det er mange uttalelser i denne sal som har gått på at dette er en gledens dag for den og den delen av landet når vi har fått en ny veistump. Som gammel luftforsvarsmann må jeg jo si at i så måte er det en gledens dag å være vitne til at et enstemmig storting går inn for å starte kjøpet av de nye jagerflyene – eller kampflyene, som de beskrives som i dag. Jeg har aldri vært i tvil om at dette er et riktig valg, av mange grunner. Det som jeg imidlertid gjerne hadde sett hadde blitt sagt den gangen vi foretok beslutningen, var at vi skal ha det jagerflyet som gir oss den beste muligheten til å drive det forsvaret av både eget land og andre nasjoner som vi skal være med på. Jeg hadde gjerne sett at man ikke brakte inn prisen på det,

Det som vi har erfart gjennom F-16-programmet, er at det å kunne operere sammen med våre venner i den vestlige verden er av uvurderlig betydning, og det kommer til å bli akkurat det samme – kanskje i enda større grad – når vi nå snakker om F-35 i årene som kommer. Det at programmet er forsinket, er ikke noen overraskelse. Det er såpass kompliserte programmer at det vel er sjelden at det er laget et jagerfly uten at det har vært forsinkelser i den grad vi snakker om i dag. At prislappen også tikker litt oppover, er ikke noen overraskelse. Det som nå er viktig framover, og jeg synes Laila Gustavsen poengterte det ganske godt, er at vi bruker det kjøpet vi vedtar i dag, for alt det er verdt, for å kunne få garanti for at Joint Strike Missile blir en del av programmet både fordi det per dags dato nok er det beste våpenet som kan brukes i en sånn rolle, og fordi det vil bety uvurderlig mye for norsk forsvarsindustri. Med litt erfaring fra den type forhandlinger fra før vet vi at det ikke er enkelt, så jeg vil be statsråden om å bruke all den kløkt som er mulig for å få dette til å bli til fordel for Norge.

som flere har stilt gjentatte ganger: Er det nødvendig, hvis en vil ha et forsvar, også å ha et rimelig tidsmessig luftforsvar? Det er først og fremst det en må svare på i samband med den langsiktige plan som foreligger her.» Det var kloke ord av en klok mann. Bratteli, regjeringa og Stortinget ga sjøl svaret: En ville gå til anskaffelse av nye jagerfly. I debatten ble F-16-anskaffelsen støttet av navn som Per-Hysing Dahl, Guttorm Hansen, Lars Korvald, Odvar Nordli og Hallvard Eika, for å nevne noen. Det var for øvrig satt av fem timer til debatten i 1975. Det var tider, det! I 1975 var I 2008 og 2009 var løsningen F-35. Det er det i 2011, og det vil det være i 2012. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 21. Dermed er debatten avsluttet – tross alt på under fem timer! Da går Stortinget til votering

President,

Statsråd

min for

alt 24 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 3–7, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 8–14, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 15 og 16, fra Svein Flåtten på vegne av Høyre forslagene nr. 17 og 18, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 19–24, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre